Det er viktig å huske at folk ikke blir syke på sykehus; de blir syke der de bor, og alle bor i en kommune. Gode barnehager, svangerskapsomsorg, helsestasjoner, skolehelsetjeneste og et trygt og organisert arbeidsliv er viktige innsatsfaktorer for en god helse – både en fysisk god helse og

Det er flere grunner til at regjeringens opplegg for neste år er for dårlig for kommunene. For det første bindes mye av de frie inntektene opp i kostnader som handler om demografi og pensjon. I tillegg har regjeringen satt merkelapp på det meste av det som er igjen av pengene. Fra Arbeiderpartiets side kan vi bare konstatere at det med regjeringens forslag ikke er rom i budsjettet for å bedre kvaliteten på eldreomsorgen rundt omkring i landet. Det blir heller ikke bedre av at regjeringen sender en ekstraregning på ressurskrevende tjenester til kommunene. Arbeiderpartiet styrker denne ordningen med 300 mill. kr. Flertallet svekker den. Det er ikke bare kommunene som får en ekstraregning neste år. Småbarnsforeldre må barnehageplassen. Budsjettet tegner i det hele tatt et bilde av en regjering som ikke i tilstrekkelig grad prioriterer velferdstjenester som folk over hele landet bruker til daglig. Vi i Arbeiderpartiet ønsker at vår felles helsetjeneste skal være sterk, slik at private løsninger ikke tvinger seg fram og øker forskjellene mellom folk. Det betyr at kommuneøkonomien må prioriteres høyt.

barn, elever, studenter, voksne og – ikke minst – næringslivet har tjent veldig godt på at vi fikk et regjeringsskifte høsten 2013. Eksempelvis har ikke kommuneøkonomien i 2016 vært bedre siden 1990-tallet – tenk på det. Det er ikke akkurat Jern-Erna og de karikeringene som de rød-grønne har holdt på med i veldig mange år, som er fasiten vi sitter igjen med. Tvert imot har en mer enn noen gang lagt bedre til rette for at vi lagt bedre til rette for at vi skal kunne satse på velferdstjenester, satse på barn og unge, at vi bygger laget rundt barna våre, og vi ser nå at det hjelper. Allerede lærer ungene våre mer. Vi ser at frafallet går ned. Vi ser at det både i offentlig og privat sektor forskes som aldri før. Faktisk har vi nå passert 2 pst. av FoU i Norge, når vi både i offentlig og privat sektor forskes som aldri før. Faktisk har vi nå passert 2 pst. av FoU i Norge, når vi ser privat forskning og offentlig forskning i sammenheng. Vi ser også at langt flere får hjelp og støtte underveis, spesielt på barnetrinnet. Det som før var sen innsats, er egentlig blitt tidenes løft for tidlig innsats. Vi ser også at de tiltakene som var rettet inn mot videregående skole før, ikke har gitt den effekten som de egentlig Derimot viser resultatene at grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning i stadig større grad nå får et løft på barnetrinnet, og vi er med på å heve kvaliteten, fra barnehagen og hele veien opp igjennom grunnskolen. Det som jeg synes er mer oppsiktsvekkende, er den enorme venstredreiningen som Arbeiderpartiet tar i sitt alternative statsbudsjett. Det er ganske oppsiktsvekkende, mener jeg, at Arbeiderpartiet foreslår å kutte 300 mill. kr til private barnehager. Halvparten av norske barn går i en privat barnehage. Stiftelser som Canvas og Private Barnehagers Landsforbund er med på å bidra til løftet for kvalitet og for å sikre ungene våre en god start i livet. Arbeiderpartiet mener at halvparten av disse barna skal klare seg med mindre. Faktisk sier PBL at for småtrinnet vil kuttet på 300 mill. kr, hvis man fordeler det riktig, utgjøre så at for småtrinnet vil kuttet på 300 mill. kr, hvis man fordeler det riktig, utgjøre så mye som 8 000 kr per barn. Det er Arbeiderpartiets svar på tidlig innsats når vi i dag diskuterer kommuneøkonomi. Representanten Ketil Kjenseth har hatt ordet to ganger tidligere i debatten og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Kjenseth har hatt ordet to ganger tidligere i debatten og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Økonomi har vært tema for en stor del av debatten her, og det er ikke måte på hvor mye penger opposisjonen vil putte på, og hvor mye oljepenger den sittende regjeringa har smurt på. Men det var i årene fra 2006 til 2012, de rød-grønne årene, at statsbudsjettet ble doblet, fra 600 mrd. kr til 1 200 mrd. kr. Gullalderen i norsk offentlig økonomi har virkelig vært. Innenfor det tidsrommet fant ikke de rød-grønne rom for en veldig stor vekst til kommunesektoren. Så tenker jeg tilbake på bredbåndsutbyggingen som de rød-grønne organiserte. Til forskjell fra i Sverige, hvor en valgte en statlig utbygging, har vi heldigvis i Norge valgt en utbygging med markedsaktører, og vi har i dag en dekning på over 85 pst. i Norge, mens i Sverige er den på 70 pst. Så det er også et spørsmål om hvordan en bruker pengene. Når en snakker om at en har så mye penger, skal en i hvert fall være glad for at en brukte de pengene riktig. Representanten Jorodd Asphjell har hatt ordet to ganger tidligere i debatten og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.

og innenfor næringspolitikk og arbeidstiltak kutter vi subsidiering av utenlandsk netthandel på 1,4 mrd.kr. Det handler om prioritering og om å sette de aller svakeste i samfunnet på topp, og vi kutter ikke skatten til dem som har mest fra før. Representanten Stein Erik Lauvås har hatt ordet to ganger tidligere i debatten og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.

Det som derimot må være helt klart, er at når man betaler for en tjeneste, forventer man å få det samme ut av de midlene man legger inn. Vi har per i dag en situasjon i Norge der private barnehager, f.eks. i den kommunen der jeg var ordfører, kan ha en åpningstid som er betydelig kortere enn det offentlige barnehager har. Man har også private barnehager som kan velge ikke å ta inn barn med nedsatt funksjonsevne.

Jeg brukte mitt hovedinnlegg i dag til å se fremover. Man kan gjerne diskutere hvem som vant valget. Realiteten er i hvert fall at Lauvås og Arbeiderpartiet fortsatt er i opposisjon. Høyre og Fremskrittspartiet sitter fortsatt i regjering. Vi har tenkt å bruke den regjeringsmakten, sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre, til å gjennomføre mer politikk som er bra for innbyggerne, bra for kommunene og bra for landet. Så er det riktig som Lauvås sier, og det har jeg også referert til mange ganger før, at kommunene både i 2016 og 2017 har fått ekstra skatteinntekter i løpet av høsten – det er helt riktig. Samtidig kan man ikke komme bort fra at de resultatene vi nå ser for kommuneøkonomien, er en kombinasjon av tre forhold: Det ene er en god økonomisk ramme som kommunene har fått etter samarbeid med Kristelig Folkeparti og Venstre. Det andre er at det har vært god vekst i skatteinntektene gjennom høsten, både i 2016 og 2017. Og det tredje – og det er kanskje det aller viktigste – er at kommunene selv har styrt godt. Det gjør at det er gode resultater, og at antallet på ROBEK har gått kraftig ned og er nesten halvert. Dette er et godt utgangspunkt for de årene vi nå skal inn i. For alle som ser, ser at oljeinntektene nå går ned, at utgiftene til helse og omsorg går opp, og at folks forventninger fortsetter å øke. Det betyr at både vi som nasjonale politikere og lokale politikere må bli flinkere til å prioritere, effektivisere og jobbe smartere, slik at vi kan fortsette å videreutvikle viktige tilbud til

at ikke alle barnehager leverer det man har satt seg av politiske mål når det gjelder kvalitet og innhold, har man jo mulighet for å sette noen rammer for hva som skal være kvalitet og innhold i barnehagesektoren for alle barnehager som er godkjent, og som mottar offentlig støtte – enten de er kommunalt drevet, privat drevet eller en stiftelse. stiftelse. Det finnes private barnehager, f.eks. gjennom stiftelsen Kanvas, som strekker seg lenger enn kommunale barnehager gjør. De har 50 pst. pedagogtetthet. De følger tariffavtaler. De har lavere sykefravær. De har høyere brukertilfredshet. Det er virkelig sånn at noen greier å løse sitt samfunnsoppdrag på en helt utmerket måte, og de bidrar nettopp gjennom dette mangfoldet til å skape den kvaliteten vi er ute etter å gi barna våre. våre. Hvordan man kan hilse en sånn type innsats for ungene våre med å gi dem et kutt på 300 mill. kr, det skjønner ikke jeg. Vi har fra de fire partiene inngått budsjettforlik som nå løfter pedagogtettheten i barnehagesektoren opp til 43 pst. Vi skal videre oppover. Vi skal være med på å gjøre kvaliteten og innholdet i barnehagen slik at det er med på å bidra til at vi får bedre læring gjennom lek, at vi får gitt den tidlige innsatsen som alle snakker om, at man sikrer ungene våre sosial mobilitet. Da må vi spille på lag med alle gode krefter som finnes blant alle som driver barnehager, og ikke gå til krigserklæring mot den halvparten som har vist gjennom mange år at de kan levere veldig god kvalitet og godt innhold for veldig begrensede ressurser sammenlignet med veldig mange innenfor den samme sektoren.

og asylpolitikk er av de store utfordringene i mange land i verden. Det handler om at svært mange mennesker er på flukt, enten fra krig eller fra vanstyre og forfølgelse, og også at mange mennesker ønsker å flytte på seg, av gode grunner, slik folk har gjort opp gjennom historien, til alle tider, og slik nordmenn i dag ønsker å gjøre. gjøre. Så handler det litt om at vi må møte de enorme humanitære behovene som eksisterer i verden, på en god måte, at Norge må holde oppe det skjøre nettverket av sivilisasjon som ligger i våre konvensjonsforpliktelser når det gjelder flyktninger, og at vi må ha en politikk som gjør at vi kan lære oss å leve sammen sjøl om vi er forskjellige. SV mener at regjeringen ikke er på rett vei på en del av disse punktene. Det første er det store behovet for å ta imot flere flyktninger. FN har anmodet Norge om å ta imot 5 000 flyktninger, og SV mener at det burde vi ha gjort. gjort. Det burde vi fordi det nå kommer mange færre asylsøkere til Norge. Det er først og fremst fordi grensene i Europa har blitt stengt, ikke fordi det er behov for færre. Det er også fordi det er en alvorlig situasjon i mange av flyktningleirene, med mangel på både mat, utdanning og sikkerhet, og fordi det store antallet flyktninger som er i mange nærområder, er med på å destabilisere disse områdene. Dessuten har vi kapasitet i Norge nå i kommunesektoren – og det er første gang jeg har vært med på høringer i Stortinget der KS har kommet og bedt om at man tar imot flere kvoteflyktninger enn det vi har gjort til nå. Her burde Norge selvfølgelig også, som et svært rikt land, gå foran og vise at vi lytter når FNs høykommissær ber oss om å gi et slikt bidrag, som jo ikke er veldig stort. Når det gjelder integrering, er det én setning i denne innstillingen som jeg ble veldig glad for å lese, som er fra Fremskrittspartiet og Høyre. Det er: «Disse medlemmer mener innvandring er en kilde til mangfold, nye impulser og kulturell utveksling.» Det er SV helt enig i, men jeg må si at det mangler ganske mye på å høre at det er den retorikken som regjeringen – og særlig Fremskrittspartiet – bruker i disse sakene. Der er man opptatt av å problematisere mer enn å integrere, og man snakker folk veldig ned. Det siste som skjedde, var i forrige uke da kriminalitetsstatistikken kom. Den viser at det er en kraftig nedgang i kriminalitet også blant innvandrere, men det ble gjort til et problem av statsråden. Noe av det alvorlige vi fikk høre, var at andelen unge med innvandrerbakgrunn som er født og oppvokst i Norge, var at andelen unge med innvandrerbakgrunn som er født og oppvokst i Norge, og som er kriminelle, er høyere enn blant den norske ungdommen. Da er det kanskje grunn til å spørre seg hvorfor disse ungdommene reagerer slik. Kanskje det er fordi de hver eneste dag får høre at de aldri blir norske nok, at det blir snakket negativt generelt om hele gruppen. Det vi vet, er at ungdom søker seg til negative fellesskap når de ikke får mulighet til å være del av gode. Regjeringens kutt i rettshjelpstiltak for flyktninger er også svært kritikkverdig. SV prioriterer disse områdene høyt, i tillegg til at vi prioriterer flere minoritetsrådgivere i skolen, forsterkede hjelpetiltak for unge som utsettes for ekstrem sosial kontroll, forebyggende tiltak mot radikalisering i regi av frivillige organisasjoner og en områdesatsing på over 100 mill. kr mer enn regjeringens. Og i mottakene er det behov for å styrke innsatsen, med barnefaglig kompetanse, at alle barna i barnehagealder får gå i barnehage, og ikke minst må vi øke

Det kan virke som om SV først og fremst er opptatt av at flest mulig skal få opphold, men at det ikke er så veldig mange forslag eller krav som skal sørge for at folk integreres. Samtidig vet vi at økt innvandring kombinert med mislykket integrering vil gi økt arbeidsledighet og potensielt svekket tillit i Norge.

Vi har vært imot å gjøre det som representanten har vært med på, nemlig å kutte norskopplæringen på mottakene. Til og med Jobbsjansen, som skal få de kvinnene som står lengst fra arbeidslivet, ut i arbeidslivet, har denne regjeringen redusert, slik at nettopp de kvinnene som står lengst fra arbeidslivet, ikke får hjelp fra denne ordningen. SV har styrket denne ordningen. Vi styrker muligheten til å gå i barnehage, som vi vet er viktig mye viktigere enn å yte kontantstøtte, som er en betaling for å holde barna unna barnehagen og mor unna utdanning og jobb. Det er et veldig dårlig integreringstiltak, som regjeringen står for, og som SV ikke står for – så her er det nok en total misforståelse fra representanten. Jeg Jeg anerkjenner SVs behov for å hjelpe. Jeg tror alle har et behov for og et ønske om å vise at man vil hjelpe personer i en vanskelig situasjon. Men det er vanskelig å se gjennom den politikken SV fører, at det vil være utfallet og målet. Vi vet at det er dyrt å ta imot mennesker til Norge. Vi kunne hjulpet langt flere i nærområdene. Vi ser også at velferdsordninger blir satt under press, og det kommer til å bli krevende å få alle de som kommer hit, ut i arbeid. SV argumenterer for at det er plass i kommunene, at kommunene har kapasitet, altså i antall sysselsatte, og ikke ønsker å redusere det. Men går det ingen grense for SV for hvor mange vi kan ta imot uten at det går ut over arbeidsmarkedet, med for mange arbeidsledige – og også at det går på bekostning av dem som trenger mer hjelp i

det står ikke i noen slags motsetning til også å kunne øke hjelpeinnsatsen i nærområdene, som jeg ser at regjeringen snakker om, men ikke gjør. Det er også behov for å høre på hva FN sier, om at presset i disse flyktningleirene er så stort at de har behov for å ta ut noen at de har behov for å ta ut noen som de ikke kan gi sikkerhet, f.eks. kvinner, konvertitter og homofile. FN har anmodet Norge om å ta imot 5 000. Det er ikke et veldig stort antall. Det har Norge kapasitet og mulighet til – og også mulighet til å forsterke hjelpeinnsatsen i nærområdene ytterligere. Hvert år med borgerlig flertall har det blitt tatt imot flere kvoteflyktninger enn hva SV fikk til noe år i åtte rød-grønne år. Det er en av mulighetene som ligger der, i hvert fall for Venstre, til å ha litt større raushet og litt større hjertelag. Så ser jeg at SV foreslår å ta imot mange nå og foreslår en økning til Utlendingsdirektoratet på 23 mill. kr. Arbeiderpartiet foreslår 5,9 mill., mens Senterpartiet kutter 30 mill., både til Utlendingsdirektoratet Arbeiderpartiet foreslår 5,9 mill., mens Senterpartiet kutter 30 mill., både til Utlendingsdirektoratet og til UNE. Det er ikke noen vilje til å ta imot flere. Så spørsmålet er: Hvem skal SV samarbeide med for å ta imot så mange som en ønsker seg? Vi samarbeider veldig gjerne med Venstre og Kristelig Folkeparti om dette. Det er synd at Venstre og Kristelig Folkeparti har valgt å samarbeide med en regjering som har gjennomført innstramminger på dette feltet, som jeg vet representanten og partiet hans er dypt uenig i, og som etter vårt syn, og jeg har også registrert at Venstre har vært enig med SV i det, ikke er på kanten, men over med hensyn til våre forpliktelser når det gjelder fortolkninger av asylretten og konvensjonene vi er forpliktet av.

Sårbare og ikke-fungerende stater i Europas nabolag er arnested for krig og konflikt, fattigdom og humanitære kriser. Mennesker er i bevegelse – det er folkevandringens tid. Globalisering fører med seg mange dilemmaer og paradokser. Vi ser store og økende forskjeller i inntekter og velstand. Kapitalen og handelen legger press på arbeidstakerrettigheter, og mennesker i bevegelse utnyttes på det groveste. Vi ser det også her i Norge. Klimautfordringen er en global trussel, og internasjonale avtaler er avhengig av at landene tror på og bidrar til løsninger. Hvis ikke vil klimaendringer føre enda flere ut på flukt fordi livsgrunnlaget bokstavelig talt forsvinner når været endres. Politisk forfølgelse og mangel på demokrati og rettssikkerhet gjør folk utrygge, og mange flykter fra sånne regimer. Verden står overfor store utfordringer. Akkurat nå er det færre som kommer inn i Europa enn det vi opplevde i 2015. Det skyldes ikke at situasjonen for folk er bedre i 2017 enn i 2015, det skyldes først og fremst at grensekontrollen er styrket i hele Europa. Røde Kors’ aksjon på lørdag ga oss en klar påminnelse om hvor mange som er på flukt i verden. Det er derfor grunn til å tro at innvandrings- og inkluderingsfeltet også i årene framover vil prege vår politiske hverdag, og vi vil måtte se etter nye løsninger for dem som er på flukt – ikke Norge alene, men sammen med landene i Europa og gjennom internasjonale fora. Utgangspunktet for Arbeiderpartiets politikk på innvandringsfeltet er streng, rettferdig og human. De som søker asyl i Norge, skal være trygge på at søknaden behandles forsvarlig, og at de som trenger det, skal få beskyttelse. Flere rapporter stiller spørsmål ved om sakene behandles forsvarlig nå, og det hviler et stort ansvar på regjeringen, som forsikrer Stortinget om at de blir det. En situasjon der mange søker seg til Europa, gjør at vi må ha et tett samarbeid med landene i Europa. Vi må føre en politikk som ikke avviker vesentlig fra deres, men saker skal likevel behandles forsvarlig. Vi forutsetter at det gjøres innenfor våre internasjonale forpliktelser. Etter 2015 har det kommet mange til Norge som skal være her permanent. Arbeiderpartiets ambisjon er at vi skal være best på inkludering. Da må vi ha gode systemer som gir dem som kommer til landet vårt, muligheten til å få nok kompetanse, sånn at de kan bidra til samfunnet. Kombinasjonen flere eldre og færre yngre betyr at vi må få flere til å bidra. Det gjelder alle, men til tross for at sysselsettingsandelen blant innvandrere øker, er det helt avgjørende at flere kommer i arbeid. Derfor er vår hovedprioritet i inkluderingsarbeidet å få flere ut i jobb. Derfor styrker vi Jobbsjansen som virkemiddel for å få dette til. I vårt alternative budsjett bruker vi 50 mill. kr mer på tiltaket, for vi ser at det virker. Gjennom arbeid læres norsk. Det skaper samhold og vennskap mellom kollegaer, og det bidrar til tilhørighet til det norske samfunnet. I tillegg til å styrke Jobbsjansen styrker vi de frivillige organisasjonenes grunnbevilgning,

men får den ikke godkjent i Norge. og folk som vil delta, får ikke gjort det fordi de mangler et eller annet dokument. Derfor styrker vi systemet for realkompetansevurdering, og vi styrker NOKUT, sånn at flere kan få godkjent utdanningen sin, som ikke er tatt i Norge, men som allikevel er viktig for at de kan bidra i det norske arbeidslivet. Det blir replikkordskifte.

etter valget ser vi et arbeiderparti som er noe annerledes. Det vedtas liberaliseringer i innvandringspolitikken som vi ikke helt vet konsekvensene av. Så jeg lurer på: Hvor er det blitt av Arbeiderpartiet? Hvilken vei er det de egentlig går i innvandringspolitikken?
Det er ikke noen tvil om at vi skal ha en streng, rettferdig og human innvandringspolitikk. Men det krever at regjeringen sørger for den rettferdigheten som er viktig, sørger for at saker blir behandlet på en sånn måte at mange organisasjoner ikke setter spørsmålstegn ved hva Norge driver med, der vi ser at unger som får behandlet asylsøknaden sin, ikke får barnefaglige vurderinger – i hvert fall mangler det i veldig mange av vedtakene. Det gjør oss bekymret. Derfor har vi måtte inndra den fullmakten statsråden hadde overfor sine underliggende etater, nettopp fordi vi så at det gikk i en retning som ikke var i samsvar med det vi vedtok da vi behandlet saken her i Stortinget.

arbeid. En konsekvens av en liberal linje er at vi får et større press både på asylinstituttet og ikke minst i kommunene. Det igjen vil føre til at færre kommer i arbeid. Hvordan vil Arbeiderpartiet løse dette?

vi vil sørge for at flere kommer i arbeid. Nettopp derfor styrker vi Jobbsjansen med 50 mill. kr. Det er helt grunnleggende for at flere skal komme i arbeid. Og som jeg sa helt til slutt i mitt innlegg: Vi er nødt til å sørge for at de som har utdanning, kan få godkjent utdanningen sin, og at vi kan ha realkompetansevurdering av flere, for har utdanning. Jeg er helt sikker på at klarer vi det, vil vi ha bruk for veldig mange av dem i eldreomsorgen, i det offentlige. Mange av dem gjør en svært god jobb også i privat næringsliv. Så her er det mange muligheter for å løse det som er den store utfordringen for Norge i tiden framover, nemlig at vi har nok arbeidskraft til å løse de store oppgavene. Jeg synes det var ganske tydelig å lese fra forrige replikkrunde at det nettopp er aktivister og

Jeg ser i dagens VG at Arbeiderpartiets leder er ute etter å finne en ny innvandringspolitikk. Det er litt betenkelig at man rett etter et valg skal gå ut og finne en ny politikk og sette ned et utvalg som skal foreslå en konkret og helhetlig innvandringspolitikk. Det synes jeg det er oppsiktsvekkende at Arbeiderpartiet ikke hadde fra før. Spørsmålet blir da:

Det gjelder enten det er norskfødte folk eller folk som har kommet til landet, som trenger vår oppmerksomhet. Dette ville vært et helt annet samfunn hvis vi valgte å overse mange av de frivillige organisasjonene som har talspersoner for grupper i Norge. Jeg trodde også Fremskrittspartiet, som var for folk flest, syntes det var bra. Når det gjelder vårt arbeid med innvandringspolitikken, er det preget av et Europa i endring. Det er store endringer i den europeiske politikken. Blant annet var det store endringer i den europeiske politikken. Blant annet var det et toppmøte i EU for bare noen dager siden der man diskuterte helt nye løsninger for asyl- og innvandringsfeltet. Det ville være å stille seg helt bakerst på perrongen hvis man ikke sørger for å følge med på det som skjer ute i Europa, og å ha politikk som er i samsvar med det som skjer ute i verden. Replikkordskiftet er omme. Alle som søker beskyttelse, skal behandles med respekt og få tilstrekkelig rettshjelp. Men personer som ikke har beskyttelsesbehov, skal returneres raskt. Innvandringen til omme. Alle som søker beskyttelse, skal behandles med respekt og få tilstrekkelig rettshjelp. Men personer som ikke har beskyttelsesbehov, skal returneres raskt. Innvandringen til Norge må reguleres for å sette legitimitet bak Et stort antall asylsøkere, som vi fikk i 2015, setter asylsystemet og velferdsmodellen vår under press. Ankomstantallet er nå redusert, og per 31. august var det registrert 2 862 asylsøkere og 149 enslige mindreårige. Det står i stor kontrast til over 30 000 søkere i 2015. Tallene er gått ned av flere årsaker, bl.a. EUs avtale med Tyrkia, migrasjonskontroll på Vest-Balkan og grensekontroll i Schengenområdet, og ikke minst har flere land, bl.a. Norge, tatt i bruk innstramminger. Det har vært riktig. Norge er det landet som har bidratt mest med hensyn til å ta imot flyktninger i perioden Foruten ordinære asylsøkere har vi tatt imot 8 000 syriske flyktninger og 1 500 flyktninger over to år på oppfordring fra EUs relokaliseringsordning. Budsjettforliket nå legger opp til å øke kvoten med 1 000 flyktninger i tillegg til de foreslåtte av regjeringen på Det ble hevdet fra komitélederen at Norge ikke bidro i verden under flyktningkrisen. Jeg bare minner om at Norge i 2016 bidro med så mye som 2,7 mrd. kr til Syria, og vår egen statsminister tok initiativ til en giverlandskonferanse som ble holdt i England, og som ga store penger. Så det at vi ikke bidrar, er rett og slett feil. Når det er sagt, er Høyre glad for at regjeringen nå legger vekt på å utvikle en god ankomstberedskap, ikke minst for å øke effektiviteten og kontrollen i asylsøkernes første tid i Norge. Et stort mottakssenter i Råde som planlegges, stiller vi oss bak. Vi er glad for budsjettprioriteringene som vil modernisere IT-systemet også i denne sektoren, bl.a. for å få en mer effektiv og riktig registrering. Det har vært stor oppmerksomhet rundt enslige mindreårige asylsøkere, og det ble da også i mai 2017 bevilget 50 mill. kr til økt bemanning og bedring av kompetanse i mottak. Enslige mindreårige asylsøkere skal behandles på en forsvarlig måte som er tilpasset deres situasjon. situasjon. Jeg er glad for at departementet i budsjettproposisjonen skriver at de prioriteres i alle ledd i utlendingsforvaltningen: ved registrering, ved innkvartering, ved saksbehandling, ved bosetting og ved retur når det er nødvendig. Det er krevende å tilpasse mottakskapasiteten til det antallet som kommer, og det er Utlendingsdirektoratet som må se behovet opp mot mest mulig kostnadseffektiv innkvartering. av lave ankomster har det vært nødvendig å redusere antall mottak også for enslige mindreårige. Når det gjelder integrering, er det mange som skal bosettes i kommunene, 27 000 i 2018. Vi bruker om lag 15 mrd. kr til bosetting og integreringstiltak. Siden komitélederen nevnte at regjeringen er integreringsfiendtlig, vil jeg be komitélederen se på OECD-statistikken, hvor Norge faktisk ligger blant de høyeste på listen over land som har gode tiltak for dem som skal integreres. Det er bra. Vi stiller oss helt bak hovedmålene på integreringsfeltet. Det gjelder raskere bosetting av flyktninger og høyere deltakelse blant innvandrere i samfunn og arbeidsliv. For å få en bedre og raskere integrering har vi satset på integreringsmottak for dem som skal bosettes, og som har stor sannsynlighet for opphold. Dette skal bidra til en raskere integrering i samfunnet. Vi innfører nå også 50 timer obligatorisk kultur- og samfunnskunnskap i asylmottakene samt kompetansekartlegging av den enkelte i mottak. Det er også satt av midler til kompetanseheving i norskopplæring på introduksjonssentrene. Rask bosetting er nødvendig for å komme i gang. Vi har også gitt midler til frivillige organisasjoner som bidrar i integreringsarbeidet. Det blir replikkordskifte.

Det gjør vi særlig for å styrke innsatsen for å få innvandrerkvinner som ikke er i arbeid, ut i jobb. Deltakelse i arbeidslivet gir også bedre muligheter til å bli godt integrert. Høyre sier også at det er viktig å få innvandrerkvinner i arbeid. 27 000 som nå fullfører introduksjonsprogrammet, skal ut i jobbmarkedet. Kan Høyre svare på hvor i budsjettet for 2018 de har prioritert tiltak der innvandrere får mulighet til å kvalifisere seg til arbeid? Takk for spørsmålet. Når det gjelder kvalifikasjon til arbeid, var representanten innom Jobbsjansen. Den er blitt styrket med 20 mill. kr i dette budsjettforliket. Ellers er vi opptatt av å starte svært tidlig, og vi har nå åpnet for at asylsøkere som med stor sannsynlighet vil få opphold, har mulighet til å jobbe mens de er i mottak. Etablering av integreringsmottakene er jo et ledd i å få folk raskt i arbeid. Der kan man også arbeide mens man er i mottaket. Det er også innført samfunnskunnskaps- og norskopplæring, og det vil bidra til at folk faktisk kan bevege seg i arbeidslivet. Norskkunnskaper er en av forutsetningene for det. Vi styrker også norskopplæringen i introduksjonsordningen ved at man skal få bedre kompetanse, for vi ser at selv om mange kommer i arbeid, er det faktisk en del som faller ut av arbeidslivet etter kort tid. Det er

Etablering av familieenheten har vært lovet lenge, men planene er altså ikke realisert. Ikke engang tomt er ifølge Høyres merknad funnet ennå. Det er sjokkerende. Det er tydelig at det ikke har vært prioritert fra departementets side å få unger ut av interneringsmottaket på Trandum. Er Høyre tilfreds med departementets innsats på dette området? For det For det første er det klart at det er vanskelig for barn å være i en situasjon hvor de er i et lukket mottak. Det er egentlig svært sjelden man tar i bruk det, men det må av og til gjøres fordi man skal tvangsreturnere. Man ser seg om etter alternative ordninger, og vi opplever at departementet ønsker å gjøre dette, men det har tatt tid. Det handler også om at det ikke er alle som ønsker et slikt mottak eller en slik enhet i nærheten av seg. Men jeg er helt sikker på at departementet finner en løsning på dette.

Det er viktig at de som kommer hit og skal bo her, blir godt integrert raskt. Derfor var det veldig trist at regjeringen kuttet i norskopplæringen på mottak. De styrkingene som representanten nevnte i sitt innlegg, er jo alle for. Jeg vil tilbake til den manglende satsingen bl.a. på kvinner.

Når det gjelder kvinner, er det ingenting i veien for at kvinner kan gå på Jobbsjansen, men det vi har sagt, er at kvinner som er i andre tiltak fra Nav– det kan være arbeidsavklaringspenger, det kan være dagpenger, det kan være at man er ufør – ikke skal prioriteres i dette arbeidet. Det er de som ikke er på Navs «budsjetter», som skal prioriteres for å komme inn i arbeidslivet. arbeidslivet. Det mener vi er helt riktig. Vi har også gode resultater fra Jobbsjansen. I min egen hjemkommune ser vi at flere har kommet i arbeid. Replikkordskiftet er omme. Innvandringen har gjort oss til en mer mangfoldig nasjon, på godt og vondt. Migrasjonskrisen i Europa førte til

Regjeringen har derfor jobbet for å redusere antall nyankomne asylsøkere uten beskyttelsesbehov, for rask bosetting av personer som får opphold, og for raskere retur av personer uten lovlig opphold. Tiden i mottak skal brukes effektivt, bosetting i kommunene skal skje så raskt som mulig etter vedtak om opphold, kvalifisering til arbeidslivet må være målrettet, og medbrakt Dette budsjettet styrker samfunns- og kulturopplæringen i asylmottak, i tillegg til norskopplæring, og tiltak for å få flyktninger raskere i jobb. Krav til kunnskaper om norsk språk og det norske samfunnet er viktig for alle parter. De som skal inn i det norske samfunnet, må gis incentiver og muligheter til å delta i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Skal nye innbyggere lykkes, kreves det innsats fra myndighetene, lokalsamfunnet, frivilligheten, arbeidslivet og ikke minst av den enkelte innvandrer selv. Saksbehandlingskapasiteten i UDI er betydelig økt. Asylinstituttet er et meget viktig verktøy for å gi beskyttelse til mennesker som har beskyttelsesbehov. Norge skal oppfylle sine internasjonale forpliktelser og hjelpe flyktninger. Regjeringens satsing på integreringsmottak er et godt første steg på veien mot en mer differensiert mottaksstruktur, der beboernes egeninnsats og deres Gjennom budsjettforlik ble det enighet om å øke kvoten av overføringsflyktninger med 1 000 i forhold til regjeringens opprinnelige budsjettforslag. Som en følge av dette er flere kapitler og poster økt. Norge vil fortsatt ta imot færre flyktninger enn tidligere år, noe som er nødvendig for å klare god integrering av det store antallet nye som har ankommet de siste årene. Dette er mennesker som skal ha bolig, helsetilbud, barnehageplass, skoletilbud og arbeidstilbud. Antallet flyktninger i norskopplæring og introduksjonsprogram vil være høyt gjennom hele 2018. Det finnes en rekke bevilgninger til tilskuddsordninger for dem som bor i mottak. Tilskuddsordningene skal bidra til barnevernstiltak for enslige mindreårige, barnefaglig kompetanse, barnehage, frivilligheten, kvalifiseringstiltak, fysisk aktivitet og kulturell aktivitet. Jeg reagerer på hvordan enkelte partier og enkelte organisasjoner omtaler måten asylsøkere blir behandlet på den første tiden i Norge. Ofte får man et inntrykk av at det man kommer til, er verre enn det man kommer fra. Faktum er at de som ankommer, fra første stund får tak over hodet, mat, klær og helsetjenester. Vi bruker svært mange milliarder kroner på å behandle disse menneskene på en god måte. Det man derimot burde kritisert, er hvor tilfeldig det er om man blir gitt muligheter til å få et godt liv i den kommunen man blir bosatt i. Enkelte kommuner har tatt imot mennesker som i dag Andre kommer til en kommune der de etter 20 år i Norge fortsatt ikke forstår eller snakker norsk. Det er på tide at vi stiller krav til at de overføringene kommunen får, brukes til integrering og ikke til å saldere andre budsjettønsker som lokalpolitikerne måtte ha. Regjeringen legger derfor opp til at de som har gode resultater på integrering, bør bosette flyktninger. Det er viktig å ta hensyn til jobbmuligheter og resultater ved fordeling av flyktninger til kommunene. Det er altså ikke størrelsen på kommunen som skal være avgjørende, men resultatet. I forrige uke arrangerte Fremskrittspartiet et miniseminar. Tre kvinner og én mann med forskjellig landbakgrunn fortalte om sine erfaringer med det norske samfunnet. Tilbakemeldingene var klare: Det er ikke nordmenns oppførsel som har ødelagt deres oppvekst, men innvandrermiljøets trang til å bry seg. Sosial kontroll og æreskultur skjer der innvandrerne bor tett, og der de har god tid til å følge med på det andre gjør – altså mangel på integrering. Vi gir i dette budsjettet tilbud om gratis halvdagsplass i barnehage eller SFO/aktivitetsskole og økt tilskudd til frivilligheten, språkopplæringsprogram, selvhjelp for innvandrere og en rekke andre god tiltak for å gjøre

og deltagere i vårt velferdssamfunn. Dette må gi seg utslag i både politikkutforming og måten vi diskuterer og omtaler dette politikkområdet på. Med fare for å få 26 spørsmål tilbake har jeg et spørsmål til representanten Kjønaas Kjos: Jeg registrerer at Fremskrittspartiet er veldig opptatt av og ivrig etter å få Venstre inn i regjering. Er det for å dreie flyktningpolitikken, innvandringspolitikken og integreringspolitikken i en mer sosialliberalistisk retning? Er det årsaken til at Fremskrittspartiet nå ønsker å få Venstre inn? Vi har helt fra vi kom i regjering første gang, invitert både Kristelig Folkeparti og Venstre inn i regjering, til dannelsen av en bred borgerlig regjering. Det er en invitasjon som har stått der hele veien, som gjelder generelt for alle politikkområder. Alle partiene er litt forskjellige, men vi har tenkt å finne gode løsninger, slik som vi har gjort i forbindelse med budsjettene. Men jeg registrerer at Venstre også er veldig opptatt av å gjøre en bedre jobb med integreringen. Det imøteser Fremskrittspartiet. I Fremskrittspartiets merknader heter det

Dette krever en særlig innsats fra hver enkelt av dem som skal leve i Norge.» Jeg er aldeles enig i det utsagnet, men jeg mener også at det er et krav som må møtes med aktiv tilretteleggelse fra det norske samfunnet. Senterpartiet fremmer i sitt alternative budsjett mer penger til norskopplæring i mottak og var uenig i det kuttet som ble gjennomført tidligere.

og satt i gang nye tiltak for å forbedre norskundervisningen enda mer. Så mye av det som har skjedd, har skjedd de siste årene. Jeg er enig i at vi trenger å tilrettelegge aktivt, men jeg har lyst til å minne om at innvandrerne som kom til Norge for 20–30 år siden, nesten ikke hadde noen av de tilbudene vi legger til rette for nå. Det var mennesker som jobbet beinhardt for å nå målene sine, sine, som er godt integrerte, og som er noen av dem som jeg viste til i innlegget mitt, som har en god jobb, og som har et hus. Så det handler veldig mye om at den enkelte må ønske veldig sterkt å få seg en god fremtid i Norge. Vi skal sørge for ikke å stikke kjepper i hjulene for dem, når det gjelder å nå de målene. Det siste er jeg veldig enig i, og

hvis man er opptatt av integrering, å fjerne de mottakene som får det til. Representanten Kjønaas Kjos sier at man skal bosette i de kommunene som har gode resultater. Det høres veldig tilforlatelig ut, og jeg er i utgangspunktet ikke uenig i det, men det hender jo at noen av dem som blir bosatt, har litt dårligere forutsetninger enn andre. Det finnes f.eks. folk som er svært krigsskadde og syke.

noen som er høyt utdannede og lette å få inn i arbeidslivet, og andre som er analfabeter, eller som har store funksjonsnedsettelser. Så over år tror jeg at det å måtte ta imot forskjellige typer utfordringer vil være likt for alle kommuner. Men det er ingen tvil om at det er veldig store forskjeller på kommunene når det kommer til hvor mye de har lagt ned av arbeid. Særlig kommuner som har et veldig tett samarbeid med næringslivet i Særlig kommuner som har et veldig tett samarbeid med næringslivet i sin kommune, har fått til at innvandrere får lov til å prøve seg med arbeidspraksis, og at de dermed lærer språket veldig mye fortere når de bruker det i hverdagen. Jeg

Arbeidet med integrering må starte allerede ved ankomst til Norge. De som får oppholdstillatelse, må bosettes raskest mulig. Det forutsetter at kommunene får dekning for de kostnadene som påløper. Statsbudsjettet på innvandrings- og integreringsområdet preges av at det nå er langt færre som søker asyl i Norge. Vi vet at det ikke skyldes at antallet mennesker på flukt er redusert, men at grensekontrollene i Europa er slik at langt færre kommer seg gjennom. Reduksjonen av antall asylsøkere er derfor ikke noe vi kan garantere vil vare over tid. Stortinget har nylig hatt til behandling flere saker om regulering av innvandringspolitikken. Innstrammingene i utlendingsloven som ble innført ved årsskiftet 2015–2016, ble vedtatt som midlertidige. Senterpartiet har støttet videreføring av flere av innstrammingene, men har sammen med stortingsflertallet vedtatt å oppheve departementets instruksmyndighet over UNE. Vi mener det er viktig at UNE kan videreføres som et uavhengig, domstolslignende organ. Det var det UNE ble etablert for å være. Senterpartiet støttet innføring av sårbarhetskriterier i behandlingen av retur av enslige mindreårige asylsøkere. Forslaget om en midlertidig stopp i all retur til Afghanistan fikk ikke Stortingets støtte, men vi vedtok fire forslag som rammer inn praktiseringen av utlendingsloven på dette området. Denne saken ligger nå til oppfølging hos innvandrings- og integreringsministeren. Jeg og mange med meg har reagert på måten statsråden velger å følge opp saken på. I stedet for å komme tilbake til Stortinget med tiltak for å iverksette vedtaket stilles vi 26 spørsmål.

Kommuner som har påtatt seg store forpliktelser gjennom å være vertskap for mottak, blir nærmest over natta fratatt denne oppgaven. Vertskommunetilskuddene forsvinner fortere enn tida det tar å bygge ned kapasiteten. Dette må kommunene kompenseres for. Senterpartiet motsetter seg selvsagt ikke at mottakskapasiteten tilpasses behovet. Det må vi gjøre, men tilpassingene må skje slik at vi ivaretar viktige hensyn. vi ivaretar viktige hensyn. Vi har bl.a. gitt uttrykk for at det tidligere uttrykte ønsket om å få flere kommuner og flere ideelle til å starte mottaksvirksomhet må tas hensyn til, slik at ikke disse er de første som må legges ned. Vi har også bedt om at mottakskapasiteten fortsatt skal være spredt til ulike deler av landet. Regjeringen har etablert Senterpartiet inngår i en merknad der vi går imot dette skillet mellom ordinære mottak og integreringsmottak. Det er viktig å legge opp til individuelt tilpasset oppfølging av asylsøkere, men det må skje uten at særlig utvalgte grupper får mye bedre tilbud enn andre. Senterpartiet går også imot fjerning av tilskuddet til frivillighetskoordinatorer i mottakene og kuttet i Integrering av flyktninger som har fått innvilget opphold, er en krevende oppgave. Folk som ofte bærer på store traumer, skal lære seg norsk, finne seg til rette i det norske samfunnet og komme ut i utdanning eller arbeid. I det store og hele mener jeg vi må kunne si at integreringsprosessene går godt. For all del, det er unntak, men vi må ikke la unntakene legge premissene for integreringsdebatten. Senterpartiet har vært sterkt kritisk til at små kommuner er utelatt som aktuelle bosettingskommuner for flyktninger i 2018. IMDi må vurdere bosettingskommuner etter resultat, ikke etter størrelse. Mange mindre kommuner kan vise til gode resultater når det gjelder både integrering og det å få folk ut i arbeid. Derfor har vi fremmet et forslag sammen med Arbeiderpartiet og SV der vi ber regjeringen legge til grunn at forespørsel til kommunene om bosetting ikke skal baseres på utvelgelse av kommuner etter størrelse, men etter resultater. Det blir replikkordskifte. Presidenten vil gjøre oppmerksom på at taletiden under replikkordskiftet er på 1 minutt. Presidenten har merket seg at Stortinget synes 1 minutt er veldig kort tid, men vil klubbe hvis man går over den

samfunnet. Både Høyre og Senterpartiet er enige om at dette er en krevende situasjon både for kommunene og for lokalsamfunnene hvis en skal lykkes i integreringen. Likevel har Senterpartiet i høst tatt til orde for å liberalisere en del av innvandringspolitikken sammen med SV og Arbeiderpartiet. Hvorfor ønsker Senterpartiet å legge et sterkere press på norske kommuner gjennom å åpne for mer innvandring enn det vi har i dag, og hvor langt er Senterpartiet villig til å gå?
Jeg vet ikke hvor representanten har det fra at vi har åpnet for en liberalisering. Det er i hvert fall ikke tilfellet. Det eneste vi har gjort, er en presisering av det vedtaket vi var med på i innstrammingen. Når det gjelder antall som skal bosettes, er representanten en del av et forlik som skal ha flere overføringsflyktninger enn det Senterpartiet har gått inn for i budsjettet.

Denne regjeringen har gjort en god del grep for å forbedre mottaket ute i kommunene. Man kompenserer kommunene bedre økonomisk, og vi skal nå sette kriterier for hvem som skal ta imot og bosette flyktninger. Det er viktige grep som må gjøres for å forbedre resultatene. En ting som ikke har vært bra nok, og som ingen har klart å lykkes med i Norge, er å få gode nok resultater på sysselsetting eller utdanning etter endt introduksjonsprogram. Der er det en lang vei å gå. Jeg merker meg at Senterpartiet skriver i sine merknader at de mener at dagens modell er svært vellykket, selv om det viser seg fra flere rapporter at det er for varierende og for dårlige resultater. Hva begrunner Senterpartiet dette med, at mottaket sånn det er i dag, er mer enn bra nok? Hva vil de gjøre for å forbedre det?
Her var det en sammenblanding av mottak og bosetting. Når det gjelder mottak, har ikke vi noen tro på integreringsmottak. Vi mener alle mottak skal være et integreringsmottak, og all integrering skal starte fra dag én, også for dem som ikke har høyere utdanning når de kommer hit. Integreringsmottakene er jo bare for dem som er nærmest arbeidsmarkedet fra før, og da vil man sette de andre enda lenger tilbake. Når det gjelder bosetting i kommunene, er det gjerne de minste kommunene som har de beste resultatene, både når det gjelder språkopplæring, når det gjelder integrering i lokalsamfunnet, og når det gjelder å få flyktninger ut i arbeid. arbeid. Derfor undrer det meg veldig at ikke Fremskrittspartiet også stemmer for vårt forslag, som sier at flyktninger skal bosettes også i de små kommunene, som har veldig gode resultater å vise til når det gjelder integrering, og når det gjelder å komme ut i arbeid eller utdanning. Derfor håper jeg Fremskrittspartiet vil stemme for vårt forslag i dag. Representanten Greni henviste i sitt innlegg til at vår nasjonale kapasitet er

Senterpartiet vil liberalisere deler av innvandringspolitikken, er det vel heller å si at den er nasjonalistisk, for Senterpartiet er det eneste partiet som står igjen i Stortinget og bare vil ta imot 1 000 flere, mens alle andre partier vil ta imot 2 120, eller flere. Da stusser jeg litt på Senterpartiet, for når det gjelder den nasjonale kapasiteten, sier alle kommuner der ute, alle mottak og alle, at de har kapasitet, at de kan ta imot flere. Vi burde utnytte det handlingsrommet. Men Senterpartiet roper heller etter vertskommunetilskudd til kommunene, og ikke etter å ta imot flere. Hva er logikken i det? Jeg er ikke helt sikker på om jeg fikk med meg spørsmålet. Jeg har skjønt at vi har fått kritikk for at vi skal ta imot både for mange og for få – det har jeg fått med meg. Men jeg klarer ikke å få med meg hva mottakskapasitet har med overføringsflyktninger å gjøre. For overføringsflyktninger skal bosettes direkte i kommunene, så det har ikke noe med mottakskapasitet å gjøre. Senterpartiet er opptatt av at vi skal ha en god integreringspolitikk, og at vi skal være tydelige på at integrering skal være prioritet nr. 1. Det viktigste er at de får rask norskopplæring fra dag én. Dessverre har Venstre også vært med på å kutte i antall timer norskopplæring i mottak. Det er dårlig integreringspolitikk, det er kostbart for samfunnet fordi det tar lengre tid før de kommer ut i arbeid, og det er veldig dårlig for flyktningen, som da bruker lengre tid på å bli integrert i det norske samfunnet. Så er det også veldig viktig at vi bosetter i alle kommuner, og at vi særlig bosetter i de små kommunene, som har veldig gode resultater når det gjelder å få folk ut i arbeid. Replikkordskiftet er omme. For knappe to år siden ble mottaksapparatet vårt satt på prøve. Flere enn noen gang tidligere søkte asyl i 2015, og

Det skaper nye utfordringer blant dem som har opplevd mottakene som en berikelse av lokalsamfunnet. Og det viser at Norge er et raust og varmt samfunn som stiller opp for dem som trenger det. Nå som antall asylsøkere er rekordlavt, har vi kapasitet til å ta imot flere kvoteflyktninger. Normalt har Norge tatt imot 1 000 årlig, mens vi nå skal ta imot 1 000 til. Det er jeg glad for, men tallet kunne og burde ha vært enda høyere. Antall flyktninger har ikke gått ned selv om flyktningruta fra Tyrkia ble stengt. Mange er på flukt, og Europa må i fellesskap ta et større ansvar. Vi må uavhengig av tilstrømming behandle asylsøknadene som kommer, på en skikkelig måte og benytte anledningen med lave søkertall til å effektivisere saksbehandlingen. Tre ukers saksbehandlingstid er som hovedregel mulig med en bedre samordning av ressursene i UDI og i politiet. Rask avklaring er bra for dem som får bli, og for dem som får avslag. I dag er det veldig kort saksbehandlingstid, men fryktelig lang ventetid. Den må kortes ned. For Venstre er det en selvfølge at effektiviseringen ikke må gå på bekostning av rettssikkerheten, og at klagemulighetene skal bestå. Vi er imidlertid ikke opptatt av å bevare mottakene for mottakenes del. En rask avklaring gir en mulighet for direkte bosetting i en kommune etter kort opphold på ankomstmottak. Det ville gi et er det noen som fortjener honnør på integreringsfeltet, er det kommunene som de siste årene har bosatt flere enn noen gang. Noen kommuner er flinkere enn andre, men alle bør bidra. Kommuner som er gode på integrering, må dele erfaringer med andre kommuner. Å sikre en god integrering er en av de viktigste utfordringene vi står overfor, og denne jobben må gjøres i lokalsamfunnene. Vi må sørge for barnehage, skole og jobb, men også inkludere inn i de andre fellesskapene idrettslaget, foreningslivet og de uformelle møteplassene. Så lenge de ordinære mottakene består, må man sikre kvalitet gjennom en uavhengig tilsynsordning. Venstre mener at tilsynet bør ligge under Fylkesmannen. Integreringsmottakene har vært et viktig tilskudd, men de er bare en begynnelse. Venstre mener at alle ordinære mottak bør være som integreringsmottakene. Venstre har et særlig engasjement for barn. Barn på flukt er mer sårbare enn voksne, og vi har et ansvar for barna som er Derfor er jeg glad for at vi har styrket den barnefaglige kompetansen i mottaksapparatet vårt. For barn er barnehage og skole den viktigste integreringsarenaen. Jeg er derfor glad for at regjeringa har fulgt opp Venstres forslag i integreringsforliket om barnehage for barn i mottak. Venstre har kjempet gjennom ordning med gratis kjernetid i barnehagen for å sikre at alle barn får mulighet til å gå i barnehage, og har nå fått til en utvidelse av ordningen. Vi er også opptatt av at alle barn skal få mulighet til å delta på SFO eller aktivitetsskole, AKS. Vi ser at de som trenger det mest, faller utenfor, og SFO/AKS er i tillegg til skole og barnehage blitt en viktig fellesskapsarena for barn. For voksne handler integrering om å senke terskelen for å delta i arbeidslivet, herunder mens man venter på avklaring av asylsøknad, men også om større åpning for lønnet og ulønnet arbeidspraksis slik at man får en fot innenfor i arbeidslivet. Språk er avgjørende, og vi må både styrke kvaliteten på tilbudet og legge til rette for flere arenaer for å lære språk. Venstre skulle også gjerne ha sett at vi fikk utvidet antall timer for norskopplæring. Vi er imidlertid glad for at TV 2 Skole kan fortsette å tilby både norskopplæring og ikke minst kunnskap om samfunnet. Alle flater må benyttes om vi skal lykkes med integreringen. Til slutt to ord om frivilligheten. Integreringen er helt avhengig av frivillige krefter. Vi har en rekke ressursmiljøer på innvandringsfeltet, og jeg vil gjerne få sagt i denne sal at Venstre ikke mener at Human Rights Service er en av disse nasjonale aktørene. Over hele landet har vi imidlertid frivillige aktører som gir betydelige bidrag til integreringen, gjennom tilbud som flyktningguider, idrettsaktiviteter, språkkafeer, leksehjelp og så videre. Vi har ildsjeler som alene gir uvurderlige individuelle bidrag. Frivilligheten er en viktig bærebjelke i samfunnet og et uttrykk for det rause og inkluderende Norge som vi er og vil være. Uten frivilligheten får vi ikke til integreringen. Derfor er tilskuddspostene til frivilligheten på dette feltet så utrolig viktige. Det blir replikkordskifte.

Jeg er lei meg for at Arbeiderpartiet aldri greide å foreta den liberaliseringen mens de satt i regjering. Snarere tvert imot, mange ble rett og slett satt på vent for å bli der. Det var jo Arbeiderpartiet som innførte vilkåret om midlertidighet for de enslige mindreårige asylsøkerne, som må vente til de blir 18 år på å bli sendt ut. Det er vanskelig å sammenligne disse to sakene. Det var Arbeiderpartiet som fjernet rimelighetsvilkåret og ville erstatte det med sårbarhetskriterier,

Jeg har gått igjennom budsjettavtalen for å prøve å finne spor av Venstres budsjettprioriteringer. Sporene av satsing er veldig vanskelig å finne. Tvert imot er bl.a. bevilgningen til frivillighetskoordinator betraktelig mindre, noe som representanten var inne på var veldig viktig i integreringsarbeidet. Er Venstre tilfreds med det gjennomslaget de har fått på innvandringsfeltet i budsjettavtalen?

Så har vi stemt subsidiært for et flertallsbudsjett med regjeringspartiene. Vi hadde i vårt eget alternative budsjett forslag om å ta imot 3 000 flere kvoteflyktninger. Nå ble det 1 000 flere enn det regjeringa opprinnelig foreslo. I motsetning til Senterpartiet, som ikke foreslo noen flere, vil jeg si at det er et betydelig gjennomslag. Det er viktig også for mange distriktskommuner, som får nye innbyggere. Noen av dem får også noen nye arbeidsplasser. Når det gjelder frivillighet, kan en si at frivillighetskoordinatorene er det vi ikke fikk til. Vi fikk heller ikke økt tilskuddet til barnefamilier som bor i mottak. Men vi 20 mill. kr mer til Jobbsjansen, vi har aktivitetstilskudd til barn i asylmottak, vi har tilskudd til innvandrerorganisasjoner på 12 mill. kr. Så jeg synes at det er bra med gjennomslag her for Taletiden er ute. Jeg er glad for at Venstre og

litt på hos Venstre: Når man har bygd opp kapasiteten på mottak, har man hatt andre kriterier – man har lagt mer vekt på kvalitet – enn når man har bygd ned. ned. Det betyr at man risikerer å fjerne noen av de mottakene som har vært veldig gode på integrering, som har jobbet godt med det i svært mange år, som har veldig høy kompetanse, og som kan vise til veldig høy deltakelse i både utdanning og arbeidsliv. Hva er grunnen til at Venstre synes at den jobben som regjeringen gjør på dette området, er grei nok? For det første deler Venstre bekymringen som SV har, knyttet til de mottakene som har gjort en veldig god jobb. Men det er også en utfordring at det nå kommer færre asylsøkere til Norge. Av den grunn må vi også se på den totale kapasiteten. Så er det også muligheter for å tenke nytt. Da vi tok imot så mange i 2015, ga det oss noen nye aha-opplevelser, bl.a. knyttet til teknologi og hvordan vi organiserer mottaksapparatet. Vi ser at det er muligheter for å organisere dette for framtida, da det er store muligheter for at det kommer slike tilstrømninger til Norge som det kom i 2015 – enten grunnet krig og konflikter eller at det rett og slett er klimakatastrofer som fører til migrasjon og flyktningkriser.

men vi har likevel et ansvar for å hjelpe noen av verdens mest sårbare. I dette arbeidet må vi ha en helhetlig tilnærming. Vi må forebygge årsaker til at mennesker må legge ut på flukt, det være seg å bidra til stabilitet og trygghet, sikre handel med sårbare land, sikre bistand og legge til rette for en god miljøpolitikk. I tillegg kommer til Norge, og som har rett til beskyttelse, skal få mulighet til utdanning, skole og arbeid. Her må alle gode krefter forenes. Vi må legge til rette for godt samarbeid mellom staten, kommunene og frivillig og ideell sektor. FNs høykommissær anslår at det er om lag 1,2 millioner mennesker som trenger beskyttelse i trygge land utenfor nærområdene, såkalte kvoteflyktninger eller overføringsflyktninger. Det er en økning på 72 pst. siden 2014. Kvoteflyktninger er de aller mest sårbare flyktningene. Det er mennesker som lever i dyp fortvilelse, og som opplever krig og konflikt, overgrep og utnytting fra myndigheter og kriminelle nettverk, mennesker som vi har et ansvar for å hjelpe, spesielt i en tid det kommer langt færre asylsøkere enn tidligere til Norge, og fordi kapasiteten og kompetansen som er bygd opp i Kommune-Norge, gir mulighet til å hjelpe flere. Da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2018, gikk den tilbake til det rød-grønne nivået for antall kvoteflyktninger. Jeg er derfor veldig glad for at Kristelig Folkeparti sammen med Venstre fikk gjennomslag for å doble antallet kvoteflyktninger for 2018. Dette mener jeg er både riktig og viktig, så det ønsker vi å fokusere på og takke for. Det var bra. For Kristelig Folkeparti er det også viktig å sikre god integrering av de menneskene som har rett til opphold i Norge. Vi må gjøre det vi kan for å hindre utenforskap og parallellsamfunn. Sivil sektor og frivilligheten bidrar til å gi mennesker som har rett på beskyttelse, nettopp beskyttelse, nettverk og Jeg er derfor glad for at Kristelig Folkeparti fikk gjennomslag for å rette opp kuttet til frivillige organisasjoner som driver integreringsarbeid på asylmottak og i kommunene, samt at vi fikk gjennomslag for å styrke aktivitetstilbudet for barn i asylmottak. Dette er tiltak som fremmes av et flertall, og det er bra. Integreringsarbeid går ikke av seg selv. Det er mange tiltak som må sikres, og styrking av frivillig sektor med et spesielt blikk på barna vil være viktig på lang sikt for å sikre et inkluderende samfunn. Kvalitetstegnet på at vi klarer å være et inkluderende og godt samfunn, er at det fokuseres på barna. Det blir sagt at regjeringen og IMDi vil redusere antall bosettingskommuner, og at dette spesielt vil berøre mindre kommuner i distriktene. Mange små kommuner har gjort et svært godt integreringsarbeid og har bidratt til at mange flyktninger er kommet i arbeid. Fortsatt er det for få i arbeid, og nøkkelen til god integrering er å øke denne andelen. Vi har sammen med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre sagt at størrelsen på en kommune ikke skal være avgjørende for om den får bosette flyktninger eller ikke. Vilkårene må være mulighet for arbeid og en god integrering. Med arbeid menes det her at de ikke går fra tiltak til tiltak, det må være reelle, gode arbeidsplasser. Det er viktig at integreringskompetansen beholdes i kommunene.

blitt forvaltet om kuttet ikke var blitt gjennomført. Har Kristelig Folkeparti fått alt det vi ville gjennom dette budsjettforliket? Svaret er nei. Det har ingen av de andre partiene heller – dette er et forlik. Innvandrings- og integreringspolitikken vil vi få rikelig mulighet til å komme tilbake til i resten av året, utenom budsjettdebatten.

Ved å ta imot kvoteflyktninger gir vi nytt håp til statsløse flyktninger, politisk forfulgte og spesielt utsatte barn og kvinner som har krav på og behov for beskyttelse. Synes Kristelig Folkeparti at denne hjertesaken har fått stor nok plass i det kompromisset som Kristelig Folkeparti og Venstre har laget med Høyre og Fremskrittspartiet omkring budsjettet for

Derfor lurer jeg på om Kristelig Folkeparti vurderer å stemme for forslaget fra resten av opposisjonspartiene som går ut på nøyaktig det samme: «Stortinget ber regjeringen legge til grunn at forespørsel til kommunene om bosetting av flyktninger ikke skal baseres på utvelgelse av kommuner etter størrelse, men etter resultater når det gjelder integrering i samfunnsliv.» Vil Kristelig Folkeparti stemme for det forslaget? Det er jo en fantastisk utfordring. Her er alle sammen enige, så da er det enkelt for oss å stemme for et flertallsforslag vi står inne i. SV og Kristelig Folkeparti er

sett. Men det andre er noen av de innstrammingene som har vært gjort særlig i familiegjenforeningspolitikken, som etter SVs syn er svært familieuvennlig, og som er ødeleggende for integrering, fordi man må vente lenge og får kanskje ikke lov til å være sammen med familien sin før det har gått mange år – og noen får det ikke.

mulig. Får vi kunnskaper om at den veien vi velger, ikke er bra og ikke er den beste, skylder jeg som folkevalgt å se på det. Her er det faktisk politikken som er viktigst, ikke retorikken. Svaret er ja, men en må se rammene og betingelsene rundt før en kan svare et

Listhaug minister, så

Få asylsøkere medfører at regjeringen nå kan redusere bevilgningene til mottak av asylsøkere og behandling av asylsaker. Samlet er regjeringens forslag til bevilgning til programområdet «Beskyttelse og innvandring» redusert med 1,6 mrd. kr, sammenlignet med saldert budsjett for 2017. Dette er midler som nå kan benyttes til andre viktige oppgaver. Bistandsmidler til flyktningtiltak i Norge under Justis- og beredskapsdepartementet foreslås redusert med 850 mill. kr og vil bl.a. bli brukt til å hjelpe flere flyktninger i nærområdene. Regjeringen prioriterer retur også i 2018. De økte ressursene politiet har mottatt de siste årene til identifisering og etterforskning av personer som oppholder seg ulovlig i Norge, Asylsøkere som ikke har krav på beskyttelse, og som ikke reiser frivillig, vil bli tvangsreturnert. Dette er viktig for å bevare tilliten til asylinstituttet og sender et tydelig signal til dem uten beskyttelsesbehov som vurderer å reise. Flere tungt kriminelle som har begått mange lovbrudd, er sendt ut av landet. Dette er kompliserte saker som har krevd innsats over mange år. Spesielt fornøyd er vi med å ha fått sendt ut multikriminelle utlendinger som har kostet staten flerfoldige millioner kroner i året. Som følge av et høyt antall uttransporteringer over flere år samt reduserte asylankomster reduseres måltallet for retur fra 9 000 til 7 500. Regjeringen foreslår å videreutvikle løsninger med en samlokalisering av UDI og Dette skal gi en mer effektiv saksbehandling i den innledende asylfasen – kortere tid i mottak, raskere bosetting av personer med beskyttelsesbehov og raskere retur. Prognosen for antall asylsøkere i 2018 er usikker. Senteret gir oss også en nødvendig beredskap dersom antallet asylsøkere skulle øke. Det er siden 2012 gitt oppholdstillatelse til nesten Jeg vil berømme kommunene for den innsatsen de har lagt ned for å bosette og integrere flyktninger, men jeg vil samtidig framheve at dette byr på store utfordringer for samfunnet vårt. Det har vært en stor innvandring til Norge som ikke bare krever økonomiske bevilgninger, men som også legger press på vår evne til å integrere. Mange skal lære språket, og et stort antall skal inn i arbeidslivet. Dette er ikke noe som kommer av seg Bosettingsbehov og antall kommuner som skal bosette flyktninger, halveres fra 2017 til 2018, og det er utformet felleskriterier for vurdering og fastsetting av anmodningstallene til kommunene, herunder innbyggertall, sysselsettingsnivå og resultater i introduksjonsprogrammet over tid. Selv om det nå er færre som bosettes, kommer integreringsarbeidet til å være en av våre største utfordringer

Omtrent 27 000 innvandrere vil gå ut av introduksjonsordningen og møte et arbeidsmarked der det ifølge Nav er om lag 64 000 arbeidsledige. Neste år og året etterpå vil en del komme ut. Det er også regionale variasjoner i etterspørselen etter arbeidskraft i kommunene. Sentrale og lokale myndigheter må gjennom tett oppfølging legge til rette for at så mange som mulig kommer seg inn på arbeidsmarkedet. Samtidig må den enkelte selv ta tak i sin egen tilværelse og gjøre en innsats.

Statsråden har fulgt opp det budskapet og har kommentert, bl.a. i Dagbladet, at det er uaktuelt å ta imot flere flyktninger, men nå har altså statsråden blitt overkjørt av Høyre, sitt eget parti, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti i denne saken. Mener statsråden at Fremskrittspartiet på Stortinget driver en uansvarlig asylpolitikk når de er med på en slik økning og overkjører egen statsråd og regjering, eller mener statsråden nå at dette er ansvarlig politikk? statsråd og regjering, eller mener statsråden nå at dette er ansvarlig politikk? Jeg er meget godt fornøyd med både Fremskrittspartiets og Høyres politikk her på huset. De holder en stø kurs i innvandringspolitikken. Det har vi sett i en rekke saker der andre parti, som vanligvis står sammen med oss, er gått til andre løsninger. Når det gjelder kvoteflyktninger, blir det en reell reduksjon neste år sammenlignet med i år. Det er jeg veldig glad for. er jeg veldig glad for. Jeg vet jo at i sånne forhandlinger må en gi og ta. Det er en del av det som er forhandlingsdynamikken i alle sånne typer saker. Da er signalet utad at det blir en reduksjon. Etter det jeg kan se, ligger det vel på det samme nivået som Arbeiderpartiet ønsker for neste år, så da er det vel greit? Jeg registrerer at når Fremskrittspartiet er med og øker innvandringen, er det ansvarlig. Når andre tar grep, og det er et langt mindre antall, er det helt uforsvarlig. Men til en annen sak som også har vært tatt opp fra talerstolen her: Det foregår nå diskusjon i EU om fordelingsmekanismer av flyktninger. EU diskuterer og ser det i sammenheng med Dublin-avtalen. Jeg lurer på hvilken posisjon statsråden på vegne av Norge har inntatt i

Derfor er vi opptatt av det. Vi er en del av Schengen-samarbeidet. Det betyr at vi kan delta i disse diskusjonene, men kan ikke være med på å ta avgjørelsene. Det er stor uenighet internt i EU, som sikkert representanten Lauvås kjenner til. Det er en ganske stor splittelse. Men vi hilser velkommen tiltak som kan bidra til en mer rettferdig fordeling. Norge er et av de landene som har hatt den største belastningen, sammen med mange flere. flere. Det som kjennetegner de landene som har tatt imot mange gjennom mange år, er at man har gode velferdsmodeller, man er attraktive, gode samfunn å leve i. Da blir en også mer interessant.

I et forslag vi har sammen med Arbeiderpartiet og SV, ber vi regjeringen legge til grunn en forespørsel til kommunene om at bosetting av flyktninger ikke skal baseres på kommunestørrelse, men på hva slags resultat kommunene har oppnådd når det gjelder integrering i samfunnet. Mener statsråden at dette forslaget er i strid med statsrådens egen vurdering av hva som bør være kriteriet for anmodning til kommunene om å bosette flyktninger, eller vil statsråden anbefale hele Stortinget å stemme for dette forslaget?

Så mener jeg at det er behov for å se på om man skal fortsette med samme modell videre, for jeg er enig med representanten Greni i at det ikke er innbyggertallet som bør avgjøre hvorvidt man bosetter flyktninger, men hvilket resultat man har i integreringen, hvilket arbeidsmarked som er i området, og hvor god den enkeltes mulighet er til å lykkes i Norge. Jeg mener at det ikke er riktig å bosette folk til arbeidsledighet som man kanskje i noen tilfeller gjør – eller bosette folk i kommuner der resultatene ikke er gode nok. Derfor er dette noe jeg vil se på framover, men jeg mener vi i første omgang skal følge de anmodningene som IMDi har gitt.

for å få dette til? Det vi vet nå, er at denne regjeringen har instruert om at man skal begynne å gjenoppta Dublin-returer til Hellas – det europeiske landet som har mest belastning, med flyktninger som sitter i flyktningleirer og har ubehandlede søknader, som selv har en dyp økonomisk krise, og som er i en veldig annerledes situasjon enn Norge er i. Så spørsmålet er igjen: Hvilke initiativ har Så spørsmålet er igjen: Hvilke initiativ har Norge tatt gjennom dette samarbeidet for å få til en bedre ansvarsdeling mellom de ulike europeiske land? Norge er ikke medlem av EU, men vi er medlem av Schengen og har en plass rundt bordet. Derfor er vi med i disse diskusjonene som EU initierer, og som det er en veldig stor diskusjon om, der flere land står mot hverandre i diskusjonen. Jeg har lyst til å kommentere den påstanden som kommer knyttet til Hellas. Det var UDI som tok initiativ i mars til å endre denne praksisen, og bakgrunnen for det var en anbefaling fra Europakommisjonen, som meldte om endrede forhold i Hellas. Det var på bakgrunn av dette at Justisdepartementet i juni i år instruerte UDI om å gjenoppta Dublin-returer til Hellas Det var på bakgrunn av dette at Justisdepartementet i juni i år instruerte UDI om å gjenoppta Dublin-returer til Hellas i tråd med kommisjonens anbefaling. For så lenge et regelverk gjelder, er det faktisk viktig at vi følger det godt opp, og per nå er det Dublin-regelverket, som også bidrar til returer til Hellas, som er det

Det er jo en del EU-land som ikke tar imot noen. Det andre scenarioet, som kanskje er det som er mest faretruende nært, er at Italia og Hellas slutter å betale transittland for å holde tilbake flyktningstrømmer. Uansett vil begge deler kunne påvirke, men er det noen av disse scenarioene som statsråden frykter mer enn andre?

er bekymret for når det gjelder framtiden, at trykket mot Europa kommer til å vedvare med mindre man finner gode løsninger mellom de europeiske landene. Det jobbes heldigvis på spreng i EU for å få på plass nettopp denne typen ordninger. Replikkordskiftet er omme. Ved å delta i arbeidslivet vil de fleste kunne forsørge seg selv og sin familie og dermed unngå å havne i fattigdom. Derfor er

at mødre med barn i kontantstøttealder jobber mindre enn hva de ville gjort uten satsøkningen. Kontantstøtte er et hinder for at mødre kvalifiserer seg til arbeidslivet. Dette vil Arbeiderpartiet gjøre noe med. Vi foreslår derfor å gi Oslo anledning til å prøve ut en bydel uten kontantstøtte. Hvis de kvinnene som mottar kontantstøtte, skal kunne ta frie valg, må de kunne leve av egen inntekt. Derfor er kontantstøtten også en likestillingsfelle. Kontantstøtten er det største hinderet for integrering i det norske samfunnet. Det er på tide å stå opp for disse kvinnene. Vi kan ikke akseptere at foreldre eller søsken utøver sosial kontroll i sine familier. Det er ofte jenter som rammes. Hva må til for at menn med manglende aksept for kvinners frihet og likestilling, som styrer kvinners liv ved å balansere på grensen mellom tvangsekteskap og arrangerte ekteskap med stor grad av press, endrer holdninger? Dette er en styring som viser seg alt fra barndommen av, f.eks. ved at jenter ikke får delta på fellesarenaer fordi de nektes omgang med gutter og menn utenfor egen familie. Vi må tørre å stille menn som hindrer kvinner i å leve sine liv slik de selv ønsker, til ansvar. Sosial kontroll er ikke greit og må forhindres. Det er alvorlig når NRK melder at mange barn vokser opp i fattigdom, og at ungdomskriminaliteten øker på Tøyen i Oslo. Fattigdom og mulighet til egen inntekt og jobb henger sammen. Utdanning er nøkkelen for ungdom som faller utenfor. Da må skolen være et sted for god læring. AKS er en del av skoledagen for de fleste elevene i Osloskolen, men ikke for alle. Arbeiderpartiet har derfor innført gratis halv tid på AKS i mange av bydelene i Oslo. Timene på AKS og i barnehagen gir barna ekstra sosial trening, faglige utfordringer og erfaringer. Ifølge evalueringen av Groruddalssatsingen ser det ut til at dette gir elevene bedre skoleresultater, og man så nedgang i frafallet i den videregående skolen. Integreringen går bra i Norge. Mange som har innvandret til Norge, lever av egen inntekt, og med barna deres går det enda bedre. Vi må fortsette jobben med å styrke integreringsarbeidet. Samtidig må vi heie på dem som klarer seg godt, og som er forbilder for alle dem som kommer

inn i det ordinære samfunnslivet. Det vert ei stor oppgåve når me veit at det frå før er over 60 000 arbeidsledige. Me veit at vedvarande sosial utestenging kan føra nokon ut i radikalisering og endå fleire ut i depresjon. Me må kunna erkjenna at norsk integreringspolitikk opp gjennom åra har ført til både utanforskap og arbeidsløyse. Me ser samtidig at høgresida i Europa er i framvekst. Det er stor innvandringsskepsis og muslimfiendskap. Me har sett det i Nederland, Frankrike, Austerrike – i Gøteborg mobiliserte nynazistar til marsj, og nordmenn deltok også. Me hugsar også nazi-demonstrasjonen i Kristiansand i sommar. Lykkast me ikkje med integrering, feilar me som samfunn. Me har alle ein stor jobb å gjera.

Regjeringa har også vedteke å setja i gang arbeid med ein strategi for integreringspolitikken, den trur eg skal verta spennande å følgja. Erna Solberg var trass alt den første som stilte spørsmål og sette likestilling og innvandrarmiljø på dagsordenen. Som kommunalminister fekk ho vedteke ei lov om rett og plikt til norskopplæring. Likevel kan mykje verta betre når me ser utfordringane me har i dag. Ein strategi om integrering vil hjelpa oss til å verta betre. Perspektivmeldinga, utgreiinga frå Brochmann-utvalet og den ferske Fafo-rapporten om introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap viser at arbeidet med å innlemma både flyktningar og andre innvandrarar i arbeidslivet ikkje er godt nok. Nav-tal om førstegongsinnvandrarar viser at arbeidsløysa er tre gonger så høg som i befolkninga elles. Yrkesdeltakinga blant kvinner frå Somalia er heilt nede i Å lykkast betre med integrering og få til rask busetjing og gode resultat i kvalifiseringsarbeid er viktig for å oppretthalda den norske velferdsmodellen og tilliten til samfunnet. For å forbetra integreringsarbeidet er det behov for å sjå både mottak, busetjing, kvalifisering og moglegheiter for arbeid i ein betre og større samanheng.

norske, internasjonale og grunnleggjande menneskerettar. Dei som vert ramma, får avgrensa moglegheit til å delta i samfunnet gjennom arbeid, utdanning og frivillig engasjement. Regjeringa har ein handlingsplan mot negativ sosial kontroll. Handlingsplanen inneheld fem innsatsområde og 28 konkrete tiltak. Budsjettet legg også opp til ei mentorordning for unge som vert utsette for slik negativ sosial kontroll og Barn på flukt er ei anna sårbar gruppe, og barn med innvandrarbakgrunn kan stå overfor særskilde utfordringar samanlikna med andre barn. Her vert det òg forbetringar i moglegheita for dei til å delta i barnehage. Kampen mot barnefattigdom vert også styrkt. I enkelte kommunar er det føreslått å saldera kommunebudsjettet ved å ta imot fleire flyktningar. Eg hugsar godt men eg meiner den tida må vera forbi. Berre dei kommunane som har føresetnad for å lykkast med integrering, bør få lov til å vera vertskommunar. Høgre ønskjer ein streng, rettferdig og føreseieleg asylpolitikk, men me skal også framleis vera pådrivarar for at flest mogleg kjem seg i arbeid og utdanning. Arbeiderpartiet er

Vi ser også at flere og flere mennesker må ta til flukt på grunn av klimaforandringer. Enten tørker avlingene bort, eller så regner de bort. Resultatet er likt. Disse menneskene får ikke lenger et livsgrunnlag, og hva gjør man da? Jo, man forsøker å berge seg selv og sine så godt man kan. Over 65 millioner mennesker er av en eller annen grunn på flukt fra sine hjemsteder eller hjemland. Den globale flyktningsituasjonen er alvorlig for oss alle. Den berører oss alle, og den vil få innvirkning på oss alle. Norge som ett av verdens rikeste land, som det heter, kan gi gode bidrag i verdens flyktningsituasjon. Det er det ingen tvil om. Samtidig er det slik at vi i Norge ikke kan hjelpe alle. Det er det heller ingen tvil om. Da trengs det et større løft, et større løft fra mange nasjoner. Her bør Norge sette inn enda større krefter for å være i spissen for en samordnet europeisk innsats og ha et enda større fokus på hvordan FN-systemet kan bli mer effektivt. Det ligger mange muligheter i et uoversiktlig landskap, hvor det er mange systemer som må jobbe sammen. sammen. Her bør statsråden og regjeringen se mulighetene, ta tak og jobbe enda mer framoverlent, som det heter, inn mot våre felles europeiske og internasjonale samarbeidspartnere. Målet må være at hjelpen kommer fram til flere. Målet må være at mennesker skal slippe å ta til flukt for å redde seg selv og sine. Så får vi minne hverandre om får vi minne hverandre om at vi selv har vært i nød og krig i dette landet, noe som førte til at mange hundretusen utvandret til Amerika, og under siste verdenskrig måtte mange tusen rømme landet fordi de fryktet for sitt liv. Det er vår nære historie, men som vi lett glemmer å ha med oss når vi har disse debattene. Det kan vi Glemmer vi å ha med oss vår egen nære historie, er det fare på ferde, og vi må ikke på noen måte gi oss selv eller nye generasjoner inntrykk av at vi selv ikke har hatt utfordringer i dette landet, med sult, nød, overgrep og krig. Slik er historien.

og de som representerer de samme partiene på Stortinget. Arbeiderpartiet står for en langsiktig linje i asyl- og innvandringspolitikken. Senest på vårt siste landsmøte i 2017 slo landsmøtet fast at Arbeiderpartiet vil videreføre en streng, rettferdig og human asyl- og flyktningpolitikk. Det betyr at de som har grunnlag for beskyttelse, skal få beskyttelse i Norge, men det betyr også like klart at de som ikke har krav på beskyttelse, skal returnere. En slik holdning er helt nødvendig om asylinstituttet skal være bærekraftig, så vel nasjonalt som internasjonalt. Det betyr også at vi må ha kontroll på våre grenser, at vi må være forberedt på å håndtere ekstraordinære situasjoner, og jeg 2015 er et eksempel på at regjeringen ikke hadde kontroll. Regjeringen var uforberedt på å ta de grepene som var nødvendig da det kom mange inn over Norges grenser. Til slutt er det lov å håpe at situasjonen i verden kan bedres, at færre må legge ut på flukt, og at flere kan være trygge i sitt hjemland, men dessverre er det nok slik at utfordringene med mennesker på flukt vil bestå også inn i 2018. Da må vi forberede oss så godt vi kan på å håndtere det på best mulig måte. Vi er forberede oss så godt vi kan på å håndtere det på best mulig måte. Vi er alle sammen enige om at vi har en forpliktelse til å ta imot folk som har krav på beskyttelse. Siden 2012 har vi gitt oppholdstillatelse til omtrent 80 000 mennesker som flyktninger eller gjennom familiegjenforening. Bare neste år skal 27 000 mennesker ut i jobb og utdanning. Debatten om innvandring isoleres for ofte til å bli et spørsmål om hvor mange mennesker vi skal ta imot, og det er klart at det er en veldig viktig dimensjon, for hvor mange vi skal ta imot, har betydning for hvor godt vi klarer å integrere. Men det er til tider for stille om hva vi skal gjøre for å integrere dem som kommer, og det er ofte stille både fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, og det kan virke som om idétørken har tatt dem også her. Vi lever i et land som har lav arbeidsledighet, små forskjeller og høy tillit mellom folk. Det er noe vi skal ta vare på, men det krever at vi lykkes med integreringen. Mislykkes vi, risikerer vi at folk faller utenfor, og det er ikke akseptabelt eller bærekraftig verken for samfunnet eller for den enkelte. Regjeringens mål er at alle som skal bo og leve i Norge, kommer i jobb, blir skattebetalere og deltakende i samfunnet fortest mulig. Ute i kommunene pågår det nå hver eneste dag en dugnad for å integrere de nær 80 000 menneskene som har kommet til Norge, og det er klart at rask bosetting i kommunene har betydning for om vi lykkes med integreringen. Det har vært en bred satsing på integreringsfeltet over flere år fra regjeringen og fra samarbeidspartiene. Vi har lansert en egen integreringsmelding med hele 69 tiltak. Vi stiller krav om opplæring i norsk språk. Vi hever kvaliteten på norskopplæringen, vi har arbeidsrettet introduksjonsprogrammet, og vi har etablert integreringsmottak – for å nevne noen få ting. Sammen med utdanning vet vi også at arbeid er utrolig viktig for å få til god integrering. Å ha en jobb å gå til har en egenverdi for den enkelte, men det gjør det også enklere å lære seg språk. språk. Dessuten er det slik at dersom man har fått litt arbeidserfaring, kan det være enklere å få seg jobb nummer to og tre. Derfor er det bra at vi for ikke så mange dager siden vedtok at det skulle bli enklere for asylsøkere å få seg jobb mens de venter på oppholdstillatelse. Samtidig handler ikke integrering bare om å være i skole eller i jobb og om å snakke norsk. Integrering handler også om å ha en forståelse og en respekt for de verdiene, lovene og reglene som gjelder i Norge. Alle som kommer hit, må forstå og respektere at vi lever i en likestilt, fri og liberal rettsstat hvor alle har rett til å si, mene og tro det de vil. Derfor har regjeringen innført opplæring i norsk kultur og norske verdier for asylsøkere. Vi slår ned på negativ sosial kontroll. Vi har lagt fram en egen handlingsplan mot negativ sosial kontroll, og i statsbudsjettet er det også bevilget penger til en egen mentorordning. Dette er kun noen få av de tiltakene regjeringen har satt i verk for å bedre integreringen. Det er mye som er gjort, men det er også mye som gjenstår. Samtidig må vi hele tiden utvikle politikken vår for å finne de beste løsningene for å integrere flest mulig. Derfor er det bra at regjeringen har varslet at de har tenkt å sette i gang en strategi om integreringspolitikken. I vårt samfunn skal alle som jobber hardt og står på, ha muligheten til å lykkes. Det skal gjelde uavhengig av hvilket land en kommer fra. Alle barn i Norge skal møte en skole som gir dem gode forutsetninger for å bli akkurat det de vil. Voksne skal få muligheten til å komme seg i jobb og ikke passiviseres. Men samtidig skal vi huske at vi ikke kan vedta oss til god integrering alene. Det krever faktisk at hver og en av oss gjør en innsats i vårt nabolag, i klassen, på arbeidsplassen eller i kommunene. Arbeidsgivere er nødt til å gi en sjanse til dem som nå står utenfor arbeidslivet. Sammen med de mange milliardene som vi bruker på integrering over statsbudsjettet, og som kommunene bruker på integreringstiltak, er det viktig at vi husker hverdagsintegreringen, som hver og en av oss har et ansvar for. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Arbeiderpartiets ambisjon er De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Arbeiderpartiets ambisjon er at Norge skal være verdens mest inkluderende samfunn, og vi mener at arbeid til alle er den beste løsningen på utfordringen knyttet til integrering også. Bare sånn oppnår vi et av de aller viktigste målene i integreringspolitikken vår, nemlig økonomisk selvforsørgelse. I framtiden vil veksten i andelen eldre sette velferdsstaten under press. For å unngå dette, trenger vi flere i arbeid, og vi trenger flere kvalifiserte arbeidsfolk i

gitt Norden den unike kombinasjonen av effektivitet og utjamning. Press på arbeidsmarkedet må ikke avbøtes med lettvinte løsninger eller grep for lav lønn og deregulering av det norske arbeidslivet. Arbeiderpartiet vil gjøre det til en hovedoppgave å sette kommuner og arbeidslivet i stand til å få folk inn i arbeid og deltakelse i samfunnet i årene framover. Det er derfor Arbeiderpartiet styrker innsatsen for å få hjemmeværende innvandrerkvinner i arbeid gjennom Jobbsjansen, som flere har vært inne på. Vi vil ha raskere kartlegging og godkjenning av kompetansen til dem som kommer til Norge, for å få innvandrere ut i jobb. Skal Norge lykkes med integrering, må vi Det å forebygge sosiale forskjeller er viktig og nødvendig. Derfor vil vi sikre og øke områdesatsingene betydelig også for 2018. Skal vi klare å inkludere nye mennesker i det norske fellesskapet, er vi også avhengig av å se alle som enkeltmennesker og individer og deltakere i vårt fellesskap framfor som deltakere i andre og fremmede fellesskap.

for at vi som samfunn skal lykkes med denne viktige oppgaven. Det er ikke bare viktig for oss som storsamfunn, men det er viktig for enkeltmennesker, for familier og for gode nabolag at alle de som kommer hit, føler at Norge er et godt land å bo i, og at Norge er et land der alle sammen kan delta ut fra sine forutsetninger. Derfor er språklig kunnskap og tidlig innsats helt avgjørende for at vi skal lykkes på dette området også i tiden som

Og selv om vi er gode på integrering sammenlignet med mange andre europeiske land, har vi ikke lyktes godt nok med å innlemme flyktningene i arbeids- og samfunnslivet. Dette budsjettet inneholder en rekke gode tiltak for raskere bosetting og bedre resultater i kvalifiseringsarbeidet. Det har både statsråden og flere andre vært innom. Jeg hørte replikkutvekslingen tidligere, jeg må si at jeg har også i noen sammenhenger undret meg litt over at et parti som SV, som jeg oppfatter er genuint opptatt av asyl- og flyktningpolitikken, snakker mye mindre om integrering. I Høyre vil vi forandre for å bevare. Skal vi lykkes med å opprettholde velferdsmodellen og tilliten i samfunnet, må vi også lykkes med integreringen og skape det inkluderende mangfoldet vi vil ha. Et av denne regjeringas viktigste tiltak er satsingen på integreringsmottak, der beboernes egeninnsats og behov tas mer hensyn til. I min by, Kristiansand, har vi god erfaring med dette, og det er mye å lære her. Vi har hørt flere ganger at Norge har tatt imot rundt 80 000 innvandrere gjennom ulike ordninger fra 2012, og at 27 000 personer nå er på vei ut i arbeidsmarkedet. Det er en stor oppgave. Det har vært interessant å se at Arbeiderpartiet i sitt alternative statsbudsjett har få tiltak for nyankomne. Skal flyktninger og innvandrere virkelig stå utenfor arbeidslivet i årevis før staten setter inn tiltak? For oss i Høyre vil det være en fallitterklæring. Vi mener at en skal integreres fra dag én. Hver dag en er uten tilknytning til arbeidslivet, øker sannsynligheten for ikke å komme inn. Derfor må næringslivet inn tidligere med praksisplasser. Introduksjonsprogrammet må i større grad handle om å forberede innvandrere på arbeid, og vi må være tydeligere overfor dem som kommer, om at vi har forventninger om stor egeninnsats. Jeg er glad for at det er en borgerlig regjering som styrer integreringsarbeidet. Jeg er særlig glad for at regjeringa og statsråden nå setter i gang arbeidet med en ny Det er et kjærkomment tiltak, og jeg gleder meg til det videre arbeidet på dette området. Da flyktningkrisen kom til Norges grenser høsten 2015, viste mange seg fra sin beste side, for regjeringen var handlingslammet, men folket var ikke det. Over hele Norge viste folk hva som bor i oss, og hva verdien av frivillig arbeid er. Så en stor takk til alle dem som stilte opp i lokalsamfunn med varme klær, De er hverdagsheltene i integreringsarbeidet. Det frivillige arbeidet må tas vare på og settes pris på. Denne regjeringen gjør det motsatte når de snakker det ned og systematisk foreslår å kutte til organisasjonslivet.

sivilsamfunnet. Innenfor feltet vi diskuterer i dag, var det i år foreslått å kutte til NOAS, til Juss-Buss og til Juridisk rådgivning for kvinner. Noen det derimot ikke ble foreslått kutt til, var Human Rights Service, organisasjonen som siden stortingsvalget for fire år siden nesten har fått firedoblet statsstøtten – eller som Hege Storhaug uttalte etter regjeringsskiftet for fire år siden: «Vi trenger ikke engang å søke om støtte. Vi får

finansiere. Jeg trodde den grensen ble nådd i høst, da Human Rights Service inviterte til et fotoprosjekt for å dokumentere det de selv kalte «den kulturelle revolusjonen», som går ut på å ta bilder av muslimer i hverdagen. Dette er forfølgelse av muslimer i Norge. Det er trakassering, det er med på å skape frykt og fordommer, og det er i alle fall ikke god integreringspolitikk Human Rights Service

Folkeparti og Høyre er med på å la Fremskrittspartiet bestemme. Det er små summer det er snakk om, men signaleffekten er veldig stor. I dag hadde vi hatt mulighet til å si fra om at trakasseringen de driver med, er uakseptabel og noe vi som storsamfunn ikke aksepterer. Dessverre er det Sylvi Listhaug som har fått det siste ord. Flyktningdebatten i Norge har de siste årene i altfor stor grad blitt styrt av signalet om hvor stor kapasitet noen mener det er

hatt. Jeg synes det er meget spesielt å komme med sånne påstander. Når jeg og Fremskrittspartiet tenker på integrering, tenker vi på å være effektive, ta folk på alvor og gi dem en fair sjanse til å lykkes. Da SV satt i regjering, var gjennomsnittlig botid før bosetting i kommunene på rundt åtte måneder. Vi har tatt klare og tydelige grep for å forbedre dette sånn at man kan få en reell sjanse til å lykkes i samfunnet ved at man blir bosatt og kan komme seg ut og få muligheter. Det er det som er god integrering, ikke all den retorikken som SV bruker, og som egentlig er tomme ord og ting de ikke har klart å levere på tidligere. SV snakker også om retorikk som skaper kriminalitet blant innvandrere i Norge. Norge. Jeg synes det er merkelig at man har de samme utfordringene i flere andre europeiske land med mye høyere kriminalitet blant innvandrere, og der er ikke Sylvi Listhaug minister, så man må jo kunne klare å begrense påvirkningskraften til Sylvi Listhaug noe. Arbeiderpartiet kritiserer for å gjøre nøyaktig det samme som dem selv i budsjettet, ved at de tar imot 2 120 flyktninger. Jeg synes det er rart at Arbeiderpartiet er såpass uenig i sin egen politikk at de er nødt til å kritisere Kristelig Folkeparti for å gjøre nøyaktig det samme. Arbeiderpartiet mener også at de er partiet med de langsiktige linjene, og det ble nevnt fra talerstolen at dersom man hadde behov for å bli i Norge, skulle man bli, og hadde man ikke behov for det, skulle man ut. Det rare er at det ikke er lang tid siden Arbeiderpartiet vedtok det motsatte. De vedtok at de som faktisk ikke har et reelt behov for beskyttelse i Norge, skal få en ny sjanse til å få bli og ikke sendes ut. Det er betenkelig. Jeg vil avslutte med å berolige Senterpartiet: Vi har i våre merknader til budsjettet gjort det klart og tydelig at vi også ønsker at små kommuner skal kunne bosette dersom de har gode resultater. Jeg vil også innom representanten Andersen og disse påstandene om at man snakker ned. Da er

I Danmark har de snakket enda mer om utfordringene enn det vi har gjort i Norge, og de har store utfordringer. Vi er midt imellom, og vi har også våre utfordringer. Dette er rett og slett noe som alle har utfordringer med, og det blir ikke lettere av at man prøver ikke å snakke om det. Så til representanten Greni, som kom med en påstand her om at integreringsmottak er for dem som er nærmest arbeidslivet. Jeg vet ikke hvor disse opplysningene er innhentet, men de er i hvert fall feil. Det som er saken med integreringsmottakene, er at dette er for dem som kommer fra land der de etter stor sannsynlighet vil få opphold. Da får de et løp på integreringsmottakene som gjør at man skal kunne lykkes raskere. Den foreløpige evalueringen som kommer, viser at dette lover godt, og da er det merkelig at flere partier her i salen rett og slett har stemt mot å opprette dem. Dersom man ønsker at alle mottak skulle være integreringsmottak, er det rart at man har stemt mot at vi skal starte med fem. Da burde man i hvert fall kunne støtte det, men det registrerer jeg at man ikke gjør.

introduksjonsprogrammet. Det merkelige er – når en hører på alle disse innsigelsene og all motstanden mot dette – at da dette ble behandlet i integreringsmeldingen, var det ingen merknader mot dette. Det var det heller ikke i budsjettet for 2017. Så registrerer jeg at man nå plutselig er veldig imot det, men det er litt i seneste laget. Vi skal ha en evaluering av dette, som vil se på denne ordningen over flere år, og da skal vi konkludere. Hvis det viser seg at det som ble gjort tidligere, var mer effektfullt, så gjør vi jo det. gjør vi jo det. Det er ingen som har prestisje i dette. Det vi ønsker, er at folk, kvinner og de som trenger å integreres i det norske samfunnet, skal gjøre det raskere. Ingen har funnet noen trylleformel for å lykkes med det, og derfor må vi hele tiden lete etter nye måter å sørge for god integrering på. Introduksjonsutfordringene er

asylsøkere. Den retorikken som har blitt ført, har ført til at flere av ungdommene som er født i Norge og oppvokst i Norge, har skrevet ganske mange både blogger og innlegg om at de hele tiden får beskjed om at de aldri blir norske nok, at det alltid er grunn til å mistenke dem, at man leser statistikk negativt, som statsråden helt systematisk gjør.

bl.a. introduksjonsordningen, som vi alle sammen de siste fem årene har sagt må bedres – men det skjer jo ikke. I stedet kutter man i norskopplæringen. Vi har foreslått at man må kombinere introduksjonsordningen med formell kompetanse, slik at de som kan gjøre det, får mulighet til å ta det innenfor introduksjonsordningen, f.eks. på yrkesfag. Der er det flere som har gjort det. Vi har mange forslag, som handler om at universitets- og høyskolesektoren er nødt til å ha tilbud til dem som har høy utdanning, at attføringsbransjen kan brukes av dem som trenger spesiell arbeidstrening, at man må ha andre og bedre systemer for å sikre at alle barn får gå i barnehage og får

fortsatt står fast ved at rimelighetsvilkåret skal innføres i lovgivningen, kan vi jo se fram til hvordan to blir tre i regjeringen, og hvordan politikken på det området kommer til å endre seg. Selv om både Høyre og Fremskrittspartiet hadde fått utsendt talepunkter der man skulle si at Arbeiderpartiets forslag førte til liberalisering,

det. Jo, vi bruker faktisk 50 mill. kr mer enn regjeringen for å få folk ut i Jobbsjansen, som vi mener er et godt tiltak. Vi har også langt flere tiltak på området som ligger under arbeidsministeren, som også kan brukes. Så synes jeg det er rart at ikke flere reflekterer litt over den utfordringen mange møter i Norge når de kommer hit med utdanning. Voksenopplæringen på Gran, der jeg kommer fra, hadde jeg et møte med for ikke så lenge siden. Det kommer syrere med høyere universitetsutdanning. De lærer seg norsk på rekordtid. De har fransk, de kan arabisk, de kan ofte flere fremmedspråk, men de kan ikke engelsk, og da er det stopp. De kommer ikke videre i utdanningsløpet før de har klart å lære seg engelsk tilsvarende det man har Et slikt eksempel mener jeg statsråden burde ta tak i for å sørge for at flere kunne komme seg videre, få den nødvendige tilleggsutdanningen for å kunne fungere i det norske samfunnet. Det ville gjøre at flere kunne være aktive deltakere, ikke bare passive mottakere av stønader, og det er Hvis regjeringen føler at det er idétørke, bidrar vi gjerne med flere ideer. Det har vært mange gode forslag om dette tidligere. Jeg tror f.eks. det å satse mer på NOKUT og realkompetansevurderinger er noe som kunne gjøre at flere kom tidligere ut i vanlig arbeid, og det ville vært bra for alle. Jeg må bare si at representanten Engen-Helgheim er

Arbeiderpartiet ikke lenger er strenge, på grunn av et vedtak som stortingsflertallet gjorde 14. november. Men som sagt og som vi har fått bekreftet her i dag – det Fremskrittspartiet selv var med på i 2014 når det gjaldt lengeværende asylsøkere, ble sett på som mye mer liberaliserende. At Fremskrittspartiet for tiden vingler rundt i denne saken, får vi bare ta til etterretning. Det er ingen tvil om at Arbeiderpartiet står for en streng, rettferdig og human asylpolitikk – og man må ha med seg alle tre ordene når man skal lese hva Arbeiderpartiet står for. Derfor var det også helt riktig og helt nødvendig å korrigere 14. november i Stortinget, slik stortingsflertallet gjorde. Jeg registrerer at representanten Ørmen Johnsen er mye inne på det samme villsporet og forsøker å gi et inntrykk av at Arbeiderpartiet liberaliserer, osv. Det faller på sin egen urimelighet. Det som er synd, er at «det anstendige Høyre», som det en gang het, er i ferd med å forsvinne fordi Høyre har funnet det «det anstendige Høyre», som det en gang het, er i ferd med å forsvinne fordi Høyre har funnet det for godt å sette seg pent på plass og logre med halen i enhver sak som Fremskrittspartiet har en mening om når det kommer til asyl- og innvandringspolitikken. Det er et trist syn å å se at det har blitt slik. Det skulle ikke være nødvendig for Høyre. De kunne fra tid til annen satt foten ned for dette. Så er jeg glad, det tror jeg i hvert fall at jeg er, for jeg forsto det slik at Kristelig Folkeparti nå vil støtte forslag nr. 4, om at alle kommuner skal få bosette. Jeg forsto det slik i replikkordskiftet, og jeg er veldig glad for det. Så oppfatter jeg også, for ikke å være altfor brutal på slutten: Det er mange gode intensjoner om integrering, mange gode forslag også fra høyresiden. Dem skal vi faktisk kunne jobbe sammen

gode forslag også fra høyresiden. Dem skal vi faktisk kunne jobbe sammen om. Representanten Lauvås røyklegger vel egentlig egen usikkerhet og vingling i politikk ved å angripe Høyre. Jeg oppfatter det som en liberalisering når man ønsker utvidelse av antallet enslige mindreårige asylsøkere i Norge. Det er en liberalisering av den politikken vi hittil har hatt. Det er også en liberalisering når man tar vekk det verktøyet som man egentlig bør ha som en beredskap: en instruksjonsrett som regjeringen skal ha. ha. Da er jeg tilbake til representanten Aukrust, som hadde en kritikk av regjeringens håndtering av den store tilstrømmingen i 2015. Man hadde da ikke de riktige verktøyene, de lå ikke der. Det har man nå bedt Stortinget om å få, det har man ikke fått til. Jeg noterer meg at man er budsjettprosess og politikk med Venstre i regjering, og hvordan det skal dreie innvandrings- og integreringspolitikken i ulike retninger. Jeg må da replisere at det var vel ikke helt enkelt da Arbeiderpartiet satt med SV i regjering. Det tror jeg også innebar forhandlinger, men de foregikk da i lukkede rom. I dag er det ikke noe flertall, som det var sist, da Arbeiderpartiet kunne komme med en ferdigforhandlet – med SV og Senterpartiet – pakke til Stortinget og si: Slik blir det. Slik er det ikke i dag. I dag er det forhandlinger, og det er åpenhet om det. Så til midler til organisasjoner man ikke liker: Ja, Human Rights Service provoserer. Jeg har personlig ikke støttet bildeprosjektet deres, jeg har tatt avstand fra det. Men vi kan ikke gi støtte bare til dem vi liker, og til dem som er enige med oss. Det håper jeg at også Arbeiderpartiet er enig i. I et demokrati må man ha alles stemmer, stemmer, og stemmer skal høres selv om man rett og slett ikke liker dem. Derfor har vi stilt oss bak støtten til denne organisasjonen, selv om jeg personlig ikke er enig i det de sier. Det som mange med innvandrerbakgrunn sier, er

så fascinerende å høre på representanten Karin Andersen, for det høres ut som om alt kunne vært løst om man hadde hatt 50 timer ekstra med norskopplæring på asylmottaket. Den store krisen er at det er tatt ned og erstattet med opplæring i norske verdier og norsk kultur. Jeg tror ikke det. For det første er folk nå mye kortere tid på raskere, veldig mye raskere enn da SV styrte denne politikken. Det var egentlig åtte tapte integreringsår, om jeg kan få si det. Derfor rekker de aller fleste ikke å få gjennomført alle disse timene. Det vil komme lovendringsforslag fra regjeringen om introduksjonsordningen, bl.a. det som er fastsatt i integreringsmeldingen. Men vi må gjøre mer, og grunnen til at vi ønsket en rapport om introduksjonsordningen, var nettopp for å se på hva det er som fungerer, og hva som ikke fungerer. På bakgrunn av det skal jeg love representanten Karin Andersen at det kommer til å komme flere forslag fra oss om hva mer vi skal gjøre med denne ordningen. Representanten Aasrud kan jeg forsikre om at jeg ikke sitter og kludrer med dette vedtaket. Jeg kommer til å gjennomføre det så raskt som mulig, i tråd med det som ligger i i forslaget mitt, som er skissert for de parlamentariske lederne. Vi skal gjennomføre det så raskt som mulig, for man trenger å få avklart – av hensyn til de personene som lurer på det – hvem som er omfattet av det, og hvem som ikke er det. Jeg vil takke for en god debatt. Jeg tror det blir et godt budsjett også for 2018, som vil føre til at vi har stø kurs. Integreringsutfordringene er langt fra over. Det må vi jobbe med hele tiden. Det er ikke to streker under det svaret. Det er heller ikke bare penger som vil løse det. Det er mer sammensatt enn som så, men dette gir oss i hvert fall et godt utgangspunkt for å fortsette den viktige

på barns beste og det behovet vi til enhver tid måtte ha. Det kan være et stort ønske, men det må være en god målsetting, og det tror jeg faktisk er en målsetting som alle burde kunne – og kan – skrive under på. Jeg har lyst å replisere til representanten Lauvås: Enten må jeg ha vært utrolig utydelig, eller så var det ørene som hørte. Det hørte. Det jeg sa i replikkordskiftet, var at jeg ikke hadde noe behov for å stemme på et annet forslag, for flertallsforslaget sa akkurat det samme. Representanten Karin Andersen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad,

trekker tilbake statstilskuddet til religiøse organisasjoner som preker om religiøs kontroll, ekstrem kontroll over jenter og ungdom. Det har vi ikke sett noe til ennå. Vi venter på disse tiltakene. SV foreslår forsterkede tiltak for dem som har problemer med sosial kontroll, for det er et stort problem. Men det at regjeringsmedlemmer snakker som om ungdom som er født i Norge, har norsk statsborgerskap og aldri har vært noe annet sted, ikke er norske nok og egentlig ikke hører til her. Det sies at innvandrerungdom får beskjed om at de aldri blir norske nok. Ja, det er

norske. Det er et problem som Fremskrittspartiet tar på alvor, og det er et problem som krever en innsats. Det handler om å tørre å se på utfordringene og å tørre å berøre det som kan være vanskelig. Der har Fremskrittspartiet absolutt gått foran, nettopp for å hjelpe unge innvandrerjenter spesielt, som har havnet i en veldig vanskelig situasjon i Norge.

mens en kanskje i Sverige og i SVs rekker alltid vil peke på at det er storsamfunnet som har sviktet når noe går galt. Jeg tror ikke vi kommer noe lenger av ikke å peke på dem som faktisk har ansvaret, og det er stort sett de kriminelle selv. Det jeg pekte på i mitt innlegg i sted, var at vi faktisk har tatt gode grep for å kutte ned på tiden før man blir bosatt i en kommune.

imot. Det har denne regjeringen fått til, og det er kanskje noe av det beste vi kan gjøre for god integrering. Spørsmålet mitt til SV var da hvorfor SV ikke tok slike grep da de satt i regjering – ikke hvor mange forslag de har kommet med etter at de satt i regjering, for det blir litt mindre interessant. Det er dobbeltmoral at man mener én ting når man sitter i regjering, og noe annet når man ikke sitter der. At Arbeiderpartiet i dag faktisk er ute og sier at de nå faktisk er ute og sier at de nå skal begynne å lage en helhetlig og konkret innvandringspolitikk, bør fortelle de aller fleste at de ikke har det. For hvis de hadde hatt det, ville ikke Jonas Gahr Støre ha hatt noe behov for å gå ut i VG i dag og si at det skal lages. Den vinglingen som vi har sett fra Arbeiderpartiet det siste halve året, til at man nå må sette seg ned og lage politikken på nytt. Men dette skulle ha skjedd før valget, ikke rett etter valget – det hadde vært mest fair overfor velgerne. Representanten Stein Erik Lauvås har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet

ville ikke stoppe en eneste asylsøker fra å komme til Europa. Man kan ikke på alvor stå her og mene at instruksjonsretten overfor et klageorgan for asylsaker er det som skal stoppe asylsøkere fra å komme til Europa eller fra å komme til Norge. Det kan man bortimot ikke ta på alvor. Jeg registrerer at Høyre ikke lenger har en egen politikk om dette, de har abdisert i asylpolitikken og gjør som Fremskrittspartiet bestemmer. Det bærer jammen også innleggene til Høyre nå preg av. Representanten Kristin Ørmen Johnsen har hatt ordet to ganger tidligere og får

Representanten var ved innvandringsforliket i Stortinget med på nettopp å innføre denne instruksjonsretten. Poenget med den er at regjeringen kan handle raskt og sende personer som ikke har mulighet til å få lovlig opphold, ut til det landet de kom fra. Det var nettopp det retten var tenkt å brukes til, altså å sende personer til et trygt tredjeland. Det sender et viktig signal om at man ikke bør komme til Norge. Det er et redskap man bør ha, etter Høyres mening, og vi har gått helhjertet inn for det. Så det har ingenting å gjøre med å hindre folk i å reise.

den nye romansen som kanskje skal oppstå på nyåret. Jeg vil si at i hovedsak er det et fornuftsekteskap mer enn at det er noen stor romanse knyttet til det. Vi har samarbeidet mye gjennom fire år, og jeg må bare registrere at det har skjedd mye fornuftig. Vi har hvert år tatt imot flere flyktninger enn det de rød-grønne greide å gjøre. Dagens regjering har vært veldig god til å integrere og også veldig god til å uttransportere – i motsetning til hva den rød-grønne regjeringa var – noe Venstre synes er helt riktig. De som ikke skal ha opphold her, skal ut. Det er veldig mye fornuftig her, og jeg tror at vi ikke har mer å tjene på å tjene på å gå inn enn på å stå utenfor akkurat på dette området – mye av fornuften er tatt ut. Så får vi jo se. Det er alltids noe å forhandle om. Det som overrasker meg i debatten i dag, er nok mer Arbeiderpartiets forsøk på å være både streng og litt mer liberal. Det handler mer om jeg hører at man nå begynner å snakke mye om, rekruttering av arbeidskraft og at en skal løse utfordringer vi står overfor innenfor velferden, ved å hente inn flere og få dem i arbeid. Det er veldig bra. Jeg er glad for at Arbeiderpartiet i større grad begynner å snakke om det, ta i bruk Jobbsjansen, få folk raskt i arbeid og integrere raskere. Jeg håper at det er nye toner fra Arbeiderpartiet, og at det er mulig å mulig å hente støtte fra Stortinget i enkelte saker i dette fornuftsekteskapet. Det blir i hvert fall ikke en form for tvangsekteskap, som jeg opplevde at SV var i da en statssekretær fra Arbeiderpartiet uttalte seg på lykke og fromme om hvor streng politikk Arbeiderpartiet hadde. Jeg synes det er langt mer ærlig at vi har en statsråd som faktisk står for den politikken som regjeringa fører. Representanten Rigmor Aasrud har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Det var representanten Ørmen Johnsen som egentlig fikk meg til å ta ordet, for det høres ut som om den eneste muligheten regjeringen har til å kunne påvirke hvordan dens underliggende organer skal drive saksbehandling, er ved å instruere. Jeg vil minne representanten Ørmen Johnsen om at det er noe som heter forskrifter. Dersom regjeringen har behov for å gjøre endringer i sin politikk, går det an å legge fram forskrifter. Men da må man også tåle at det er noen som har noen meninger om hvordan den forskriften skal være. Det har man ikke mulighet til når man instruerer, sånn som statsråden har gjort. Så til Venstre: Det blir spennende å se – etter at vi i dag har sett og hørt Venstre, som er så tydelig når det gjelder rimelighetsvilkåret om det blir et fornuftsekteskap, eller om det blir et tvangsekteskap. Representanten har iallfall klargjort overfor Engen-Helgheim hva liberalisering av asylpolitikken er. Den har vi sett disse fire årene, og vi kommer til å se det også i tiden framover med Venstre i regjering. Representanten Ketil Kjenseth har hatt ordet

får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Dette er en svarreplikk til Arbeiderpartiet. Det er ikke ukjent at Venstre aldri var for å oppheve rimelighetsvilkåret. Det var Arbeiderpartiet som ga regjeringa flertall for det. At vi går inn i regjering og tror vi skal få opphevet det, er ikke nødvendigvis en ambisjon vi tror det er mulig å få oppfylt i en mindretallsregjering akkurat.

og de har heller ikke maktet å bruke opp pengene som er bevilget til bo- og støttetilbud for personer som har vært utsatt for tvangsekteskap eller æresrelatert vold. Jeg har spurt statsråden om hva som er grunnen til at man ikke har klart å bruke opp dette siste, og fått et svar i dag som jeg må si jeg stusser ganske mye

det har det vært, men de har ikke fått pengene. I stedet sendes de nå rett inn i statskassa igjen. Grunnen til at man ikke har fått gjort dette arbeidet, går altså ikke fram av statsrådens svar overhodet, så spørsmålet er da: Hva er grunnen til at man har utsatt dette viktige arbeidet, når man har penger på budsjettet til mennesker som kanskje er i en livsfarlig situasjon og trenger trygge botilbud og trygge

så det vil bli gjort neste år. Det er sånn at av og til oppstår det ting som gjør at det tar lengre tid å iverksette enn det man ellers tror. Jeg kan forsikre om at dette er prioritert, og at det blir jobbet med, men at det vil bli gjort neste år. Til slutt vil jeg ønske alle sammen en riktig god jul og takke for i år. Jeg ser veldig fram til fortsettelsen neste år, med mange gode diskusjoner og debatter og hyggelig samvær. Flere har

I tillegg til det har jeg registrert at budsjettforliket har videreført denne innstrammingen. Dette er en effekt av reglene, det er ikke det at man har trukket inn noen penger, men det er et strålende – eller et trist – eksempel på hvorfor disse reglene nå er altfor stramme, at det er altfor få som får bostøtte, og at de som får, får en altfor liten del av sine høye boutgifter dekket. Det hadde vært bedre om det hadde vært motsatt, for da hadde vi hatt en sterkere satsing på sosiale tiltak for at folk skal kunne bo trygt i sine hjem også når de opplever inntektsnedgang, slik mange av dem som har små inntekter, har gjort. Dette er et eksempel på hvorfor bostøtteordningen bør endres og styrkes.

at den er

men jeg må si

presenterer